en mer fornuftig rekkefølge, skapt mer trygghet for disse elevene, om man hadde gjort dette i motsatt rekkefølge og startet med dialogen med Bergen kommune, startet med å sørge for at tilbudet ble etablert? Jeg er heller ikke trygg på at den løsningen regjeringen har valgt, er god nok. Jeg mener at dette er noe staten fortsatt burde hatt ansvaret for. Men slik ble det ikke. Jeg håper iallfall at statsråden er villig til å ta kritikk på den prosessen som har vært. Så til et annet forhold: Da man gjennomførte helsereformen, konkluderte man etter hvert med at Helse Øst og Helse Sør skulle slås sammen. Det trodde jeg for så vidt at alle politiske Men nå velger man altså å gjøre det samme med «Statped Størst» – det man etablerer i dag. Den er altså betydelig mye større enn de andre Statped-regionene. Det ser jeg ikke behovet for. Jeg tror at det på den ene siden er viktig å kraftsamle kompetanse, men samtidig er det viktig at det ikke blir for stor avstand fra den enkelte kommune. Det tror jeg blir vanskelig å oppnå med den Statped-regionen som jeg kaller Statped Størst, som skal omfatte hele østlandsområdet og hele sørlandsområdet. Så en liten bekymring til, som kanskje ikke trenger å være noen bekymring. Kanskje kan vi få avklart dette i dag. For noen grupper er kompetansemiljøene så små at det ikke er snakk om noen

med ulik grad av spesialpedagogiske hjelpebehov. Jeg vil takke saksordføreren for samarbeidet og for en god redegjørelse for den delinnstillingen som vi i dag har til behandling. Målet om et likeverdig opplæringstilbud pålegger samfunnet en stor forpliktelse til å sørge for at elever med ulike former for spesialpedagogiske hjelpebehov, kan sikres kvalifisert hjelp. Kapittel 6 omhandler i første rekke innhold og organisering av det statlige spesialpedagogiske støttesystemet Statped, som Høyre vil karakterisere som den kompetansemessige ryggraden for norsk spesialundervisning. Det betyr ikke at Statped alene kan gjøre jobben i forhold til alle som trenger spesialpedagogisk oppfølging i det daglige, men det er her PP-tjenesten i kommunene skal henvende seg når deres Høyre vil sterkt understreke sammenhengen mellom kvalitativ god spesialundervisning og kompetansebygging i alle ledd – hos Statped, hos PP-tjenesten og hos læreren på den enkelte skole. Dette er en forutsetning for å kunne gi kvalifisert hjelp til de mange som har rett til, og trenger, slik oppfølging for å kunne få best mulig utbytte av Mange og sammensatte hjelpebehov stiller krav til betydelig spisskompetanse i det statlige spesialpedagogiske støtteapparatet. Dette er et ansvar departementet må ta på særlig alvor, fordi det handler om Statpeds evne til å yte riktig og nødvendig støtte til PP-tjenesten og til oppfølging av enkeltbrukere. Samtidig er det av stor betydning at det legges til rette for en opprusting av PP-tjenesten. Høyre mener det er en grunnforutsetning for å få til en arbeidsdeling der PP-tjenesten settes i stand til å være skolenær og ivareta de mest vanlige typer lærevansker. Det er i hovedsak bred enighet om den foreslåtte strukturen om regionalisering av Statped. Høyre støtter også satsingen på flerfaglighet, fordi dette betyr at mennesker med sammensatte hjelpebehov i større grad kan få den hjelpen de trenger ved å henvende seg ett sted. På to punkter skiller likevel opposisjonen og regjeringspartiene lag. Det gjelder for det første antall Statped-regioner, der regjeringspartiene følger regjeringens forslag om å regionalisere Statped etter modell av de fire regionale helseforetakene. Høyre er opptatt av å sikre kommunene på Sør- og Østlandet best mulig tilgang til Statped regionalt og mener derfor det er riktig å splitte den foreslåtte Statped-regionen Sørøst i to regioner: Statped Sør og Statped Øst. Sørlandet har i dag et etablert Statped-miljø i Kristiansand som det kan bygges videre på for å sikre den flerfagligheten som regionaliseringen legger opp til.

Høyre støtter tanken om at kommuner som ønsker det, og som har forutsetninger for det, skal legge til rette for at døve barn får opplæring i hjemkommunen eller i samarbeid med nabokommuner. Høyre er også fornøyd med den foreliggende intensjonsavtalen mellom staten og Bergen kommune, men vil påpeke at kvaliteten på det kommunale skoletilbudet i stor grad hviler på den kompetansen som ligger hos Statped Vest. men vil påpeke at kvaliteten på det kommunale skoletilbudet i stor grad hviler på den kompetansen som ligger hos Statped Vest. Det er et faktum at tilgangen på spesialpedagogisk kompetanse er en knapphetsfaktor i Norge, og Høyre står derfor sammen med de øvrige opposisjonspartiene om et forslag der man «ber regjeringen inntil videre unngå nedleggelse av statlige grunnskoler på hørselsfeltet for å kunne sikre og opprettholde et kvalitativt godt opplæringstilbud til barn og unge, uavhengig av bosted». Høyre er opptatt av at vi vi ikke må kaste barnet ut med barnevannet. Vi kan ikke tillate oss i dag å legge ned statlige grunnskoler for døve når vi ikke vet om barnas hjemkommuner vil være i stand til å gi et minst like godt tilbud som de statlige grunnskolene er i stand til å gi. I dag er ikke det sannsynliggjort at det skal kunne skje. Omfanget av spesialundervisning er betydelig – i antall personer som har rett til Høyre mener derfor det er viktig å øke forskningsinnsatsen på dette feltet for å kunne sikre kvalitet og videreutvikle det spesialpedagogiske hjelpetilbudet i takt med brukernes behov. Takk til saksordføreren. Takk for kloke innlegg så langt i debatten. Som Elisabeth Aspaker understreker, er

men jeg aksepterer regjeringas begrunnelse for å beholde den. Skulle vi dele den opp, så kunne jeg kanskje tenke meg å dele den i tre – vi kunne også hatt Innlandet som en region. Den andre uenigheten skjønner jeg mindre av, for den bryter liksom med hele prinsippet her. Her går vi fra en situasjon der vi har statlige spesialskoler, til en situasjon der vi stoler på kommuner i et tett samarbeid med statlige kompetansemiljøer, Statped. Det er nettopp den nye løsninga der som skal gi den gode nye situasjonen, som skal forbedre situasjonen i forhold til slik den er i dag. Unger flest, og kommuner flest, må jo satse på den løsninga uansett. Så det at vi skulle gjøre et unntak for visse institusjoner i noen få byer – kanskje bare i én by – skurrer for meg i forhold til hovedprinsippet. Det at dette ikke er satt ut i livet ennå, er liksom noe som er helt sjølsagt, og som gjelder stortingsmeldingsinstituttet generelt, for stortingsmeldinger skal sette i gang noen prosesser, skal gi noen føringer for noen prosesser, og så skal alle gode krefter implementere dette etter På et vis er det uheldig å dele behandlinga av en stortingsmelding i to. Men samtidig: Vurdert opp mot den mengden innspill og tema for de innspillene vi har fått, så er kanskje ikke denne behandlingsmåten så dum likevel. For det er jo nettopp temaene i kapittel 6 som i særlig grad har Jeg syns – og det tror jeg alle komitémedlemmene syns – at dette har vært en krevende sak, ikke minst nettopp på grunn av at disse innspillene har vært mange, og de har vært veldig kritiske både i form og innhold. Det har blitt brukt ganske sterk språkbruk, både muntlig og skriftlig. Det er greit nok, for all del, men samtidig gjør det det jo litt krevende for en politiker å gå inn i denne debatten. Samtidig har det vært veldig interessant å få et innblikk i disse møtene mellom fagfelt, slik som mellom helse og opplæring, mellom medisin og pedagogikk, mellom spesialpedagogikk og allmennpedagogikk, og ikke minst mellom brukere og fagfolk. Jeg tror et av hovedproblemene for mange her har vært det som beskrives i en av høringsuttalelsene: «De statlige døveskolene i dag leverer faglig innhold og kompetanse i verdensklasse – hvorfor ødelegge dette?» En vet hva en har, en vet ikke hva en får. Når en legger til dette som jeg allerede så vidt har kommentert, at interessegrupper og brukergrupper ofte har en veldig tiltro til alt statlig, og de har en inngrodd skepsis til alt som smaker av kommune. Men som sagt: I dette tilfellet syns jeg det er veldig riktig at nettopp den gruppa elever vi her prater om, skal komme inn i en normalsituasjon, som går ut på at skole i utgangspunktet er en kommunal oppgave. Mennesket er kommunalt – som det ble sagt på et av de Statped-sentrene som vi besøkte underveis i prosessen. Det er viktig å legge merke til at de som har gått hardest ut mot dette, f.eks. Døveforbundet, har understreket at de ikke er imot organisering, men de savner noe mer tid og noe mer klarhet omkring det som skal erstatte dette. Da syns jeg det er gledelig at mens vi har jobbet med denne problemstillinga, mens vi har vært inne i denne høringsfasen, så har departementet fått på plass gode avtaler med kommuner rundt omkring. Den siste, Hunstad skole i Bergen, står i hvert fall for meg fram som en særlig god løsning, som en sjølsagt har brukt noe tid på, men der både stat og kommune har vist velvilje og kommet i mål, og kom i mål før vi hadde denne debatten her i Stortinget i dag. Det setter jeg som sagt veldig pris på. Det viser at det er mulig å sette de gode intensjoner og målsettinger i stortingsmeldinga ut i livet. Så helt til slutt: Jeg tror jeg jamt over er en dårlig «helse hemmat»- politiker, og derfor bør en høre særlig godt etter når jeg gjør det akkurat nå. Det er knyttet til Øverby kompetansesenter, som på en god måte har blitt nevnt i stortingsmeldinga knyttet til en bestemt spisskompetanse, og som er skrevet om på en god måte i innstillinga her i dag. Slik sett ser jeg fram til at Statped videreutvikler og foredler det kompetansemiljøet, skal sette stortingsmeldinga ut i livet. Når vi i dag behandler kapittel 6 i Meld. St. 18 for 2010–2011, Læring og fellesskap, er det med følgende bakteppe: Mye fungerer bra, men vi har en systemutfordring siden andelen elever med spesialundervisning øker utover i skoleløpet. De aller fleste får et godt tilbud, men vi har noen strukturer som gjør at ansvar kan skyves på, og det tar ofte for lang tid før elever følges opp. Som grunnlag har vi bl.a. Midtlyng-utvalgets utredning og Riksrevisjonens rapport om spesialundervisninga i skolen. Sistnevnte har nettopp blitt debattert i denne

og sjøl om ikke alle er enige i noen av forslagene som ligger på bordet i dag, er det et grundig arbeid som ligger bak, og målet er et raskere, bedre og mer helhetlig tilbud til de elevene det gjelder. For Senterpartiet er dette også en samhandlingsreform. Det handler om en ny og klarere samhandling mellom stat og kommune, mellom brukere, foreldre og det kommunale og statlige støtteapparatet, og en bedre samhandling internt i Statped. Reformen er også desentraliserende ved at kommunene får et tydeligere ansvar for opplæringa, og vi gjør nærskolen til et reelt og godt alternativ for alle elever. Det er etter Senterpartiets syn god politikk, men forutsetter et Statped som har en mer utadrettet rolle enn i dag. Samtidig er det viktig å si at prinsippet om tilpasset opplæring er det grunnleggende, og vi må ta en debatt om forholdet mellom ordinær tilpasset opplæring og spesialundervisning. er en problemstilling vi vil komme tilbake til i sin fulle bredde når resten av meldinga skal behandles i høst. Senterpartiet mener at modellen med et regionalisert og tverrfaglig Statped er fornuftig. Midtlyng-utvalget påpeker at landsdekkende tilbud i dagens struktur har en tendens til å komme de nærmest beliggende områdene til gode. Den nye strukturen skal sørge for at alle regioner har tverrfaglig kompetanse, at spisskompetansen server alle regioner, og sikre alle kommuner og fylker lik tilgang til Statpeds støtteapparat. En av de vanskeligste avveiningene har vært hvordan spisskompetansen skal ivaretas, og det er etter vårt syn slik at sjøl om spisskompetanse administrativt sett blir lagt under et regionalt kontor, innebærer ikke dette nødvendigvis en flytting av fagkompetansen. Det er åpenbart at noen miljøer med spisskompetanse ikke kan splittes opp uten at det går på tvers av intensjonene i meldinga, fordi de da rett og slett vil forvitre. Disse må finne sin plass i den nye modellen og ha et nasjonalt ansvar. Et av disse fagmiljøene er Øverby kompetansesenter på Gjøvik, som siden 1992 har bygd opp et unikt fagmiljø på ervervet hjerneskade. Øverby gir svært god og nødvendig oppfølging til en mangfoldig brukergruppe med spesifikke behov og har et tett samarbeid med de andre kompetansesentrene og ikke minst med helseforetakene. Høringa viste også med all tydelighet viktigheten av at dette sterke fagmiljøet blir bevart. Det er derfor gledelig at en samlet komité i innstillinga sier at dette fagmiljøet må Dagens debatt og vedtak er en milepæl i et komplekst saksfelt med lang historie og stort engasjement. Tidlig innsats for barn, unge og voksne har vært omdiskutert i årevis, og meningene har vært, og er, mange. Jeg bruker ordet «milepæl» fordi vi etter vedtaket i dag og i høst må fortsette å følge utviklinga tett og gjøre riktige politiske grep også i framtiden. Det heter seg at det som slutter å bli bedre, slutter å være bra,

Nå har vi mulighet til å gjøre noen grep som sikrer barn og voksne den støtten de trenger for å fungere og for å lære i skolen og i voksenundervisningen. Lykkes vi her, klarer vi å skape en god skole. I dag skal vi bare debattere kapittel 6 i meldingen. Jeg er til dels enig i den kritikken som kommer til oss i Stortinget om at når vi endelig har mulighet til å se hele spesialundervisningen under ett,

fra kompetansesentre spredt utover landet til fire flerfaglige regionssentre. Kristelig Folkeparti støtter denne måten å omorganisere Statped på, og vi tror dette kommer til å føre til en bedre støtte til brukere og kommuner. Det vil også sikre kompetanse og kompetanseutvikling i hele landet. Men Kristelig Folkeparti er ikke enig i den inndelingen meldingen foreslår, altså i fire regioner etter Nå må vi ha lært. Det har jo vist seg at dette fungerer særdeles dårlig på helse, og da bør vi ikke gjøre den samme feilen igjen. Den største regionen, sørøst, vil betjene området fra Hedmark til Vest-Agder, med en befolkning på 2,5 millioner mennesker. Senteret vil ha ansvar for 172 kommuner spredt ut over store deler av det vidstrakte landet vårt. Vi kan bare lærere som sogner til alle disse kommunene. Kristelig Folkeparti er bekymret for om brukerne og kommunene vil få den hjelpen de trenger og har krav på, og at kontakt og oppfølging vil lide på grunn av de store avstandene. Kristelig Folkeparti støtter derfor forslaget om heller å ha fem regioner, hvor man beholder region sør og øst adskilt. Departementet har vært, og skriver i meldingen at de er vil kunne ha et grunnlag for å bygge opp tilstrekkelig med kompetanse på alle feltene et regionsenter trenger. Dette er med respekt å melde en utrolig arrogant holdning. Statpeds senter i Kristiansand har allerede et tett og godt samarbeid med et universitet, Universitet i Agder, og Sørlandet har flere sterke fagmiljøer både innenfor PP-tjenesten og andre tjenester som kan brukes for å bygge opp et nytt og sterkt flerfaglig senter i regionen.

Flere har tatt kontakt med oss i komiteen de siste månedene. Det er ikke riktig som representanten Hadia Tajik sa, at dette bare gjelder elever på Hunstad skole. Vi har fått henvendelser fra alle de statlige skolene som regjeringen nå ønsker å legge ned. Familiene selv legger vekt på at døveskolene er som oaser – noen har til og med brukt ordet krisesenter – som de kan komme til for å slappe av og føle seg helt inkludert i et fellesskap. De som går på skole i hjemkommunen, sliter ofte både i undervisningen og i det sosiale samværet med de andre elevene. Som Susanne Solbakken sa til Morgenbladet tidligere i vår: Jeg vil heller være vanlig på spesialskole enn spesiell på vanlig skole. Disse barna trenger et sted hvor de kan kommunisere naturlig med både lærere og medelever. Behovet for denne arenaen ser ut til å øke jo eldre de døve barna blir. Når lek går over til samtale, øker følelsen av isolasjon. Kristelig Folkeparti er bekymret for tilbudet til disse elevene nå som skolene legges ned, både for opplæringen og for dannelsen, som er en viktig del av skolens formål. Når vi i tillegg vet at Statped, som skal bistå kommunene i å bygge opp et tilbud til elevene på hjemskolen, skal gjennom en stor omorganisering, mener vi at det ikke er forsvarlig å legge ned døveskolene nå. Vi støtter derfor forslaget om ikke å legge dem ned.

to. Jeg er glad for at presidentskapet ga oss den muligheten, sånn at vi kan ha hastverk med det som regjeringa hadde hastverk med, og at vi jobber skikkelig med de viktige, store spørsmålene som ligger i resten av meldinga, og som vi kommer tilbake til til høsten, og som også henger sammen med den debatten vi hadde tidligere i Det aller meste av det som ligger i kapittel 6, som vi behandler i dag, er vi jo enige om, men Venstre støtter opposisjonens forslag om at det hadde vært mye bedre med fem regioner, og vi kommer til å stemme i henhold til det. Det jeg har lyst til å fokusere på, er integrering av barn ut fra Vi har gått fra ei tid med mange store spesialskoler, med litt varierende kvalitet og litt varierende motivasjon, til en stor grad av integrasjon i vanlig skole for alle elever uansett bakgrunn. For de aller, aller fleste er det gode løsninger. Men av og til er det sånn at ulike barn krever litt ulike løsninger. Av og til er det godt å ha en spesialskole

et aspekt som det er tatt altfor lite hensyn til i organiseringa av spesialundervisning, men som kommer veldig godt til uttrykk gjennom hvordan man har behandlet grunnskoler for hørselshemmede barn. Det å være døv er noe annet enn å ha et annet handikap. Grunnen til det er at man bruker tegnspråk som hovedspråk. Tegnspråk er et offisielt

en kompetanse og å ta vare på dannelse innenfor det språket. Noe av det viktige da man reviderte kommunebudsjettet i Oslo, var at Oslo Venstre fikk gjennomslag for støtte til Døves Kulturdager. Det er ikke mange handikap som har sine egne kulturdager. Det er ikke mange handikap der dette er logisk og fornuftig å ha. Men når det gjelder tegnspråket, har det å formidle den kulturen i det språket, tegnspråkkulturen, en egenverdi og et eget innhold. Derfor skulle statsråden hatt en mye mer rolig behandling av disse sakene og ikke forholdt seg til det å være døv som et hvilket som helst annet handikap – fordi tegnspråket er så spesielt som det er, fordi tegnspråkkultur er så spesielt som det er, og fordi døve barn ofte kan føle seg mer utenfor enn de som har andre handikap. Det er grunnen til at Venstre var med på å fremme forslaget om å fryse og stoppe nedleggelser. Det betyr ikke at man ikke kan finne gode løsninger på andre måter, men vi har vært alvorlig bekymret for hvordan man skal beholde fagmiljøet, hvordan man skal beholde det fellesskapet som døveskolene har skapt, og hvordan man skal ivareta vedtaket her i denne sal om at tegnspråk skal være et offisielt språk. SV påstår at mennesket er kommunalt. Jeg vil nok snu på det. Jeg mener at det er borgerne i et samfunn som eier sin kommune, ikke kommunen som eier borgerne. Derfor mener jeg at borgere skal høres på, og de skal ha følelsen av at de eier de fellesskapsløsningene som er. Det er helt klart at den måten man har fart fram på når det gjelder tegnspråkkulturen, når det gjelder døvekulturen, på når det gjelder tegnspråkkulturen, når det gjelder døvekulturen, og når det gjelder de døveskolene vi har hatt, har gjort at folk har hatt følelsen av at de eies av kommunen, og ikke at de eier kommunen. Inkludering er

for alle. Meld. St. 18 handler nettopp om dette. I dag skal vi behandle én del, kapittel 6, som dreier seg om det statlige støtteapparatet, om spesialpedagogisk kompetanse for hele landet, der Statped utgjør en stor del og er en del av en større helhet. Derfor har jeg lyst til å løfte fram det store bildet helt kort innledningsvis. Meldingen tar for seg den ordinære opplæringen – hvordan skolen og barnehagen skal legge til rette for tidlig innsats, læring og utvikling. Men vi vet at enkelte barn har behov for særlig hjelp og støtte, og derfor legges det opp til tre strategiske grep for forbedringer som gjelder hele opplæringssektoren. Den første strategien er å fange opp og følge opp, for vi vet ikke på forhånd hvilke barn, ungdom og voksne det er som kan trenge litt ekstra bistand – ikke nødvendigvis alltid i hvert fall. Den andre strategien er målrettet kompetanse for styrket læringsutbytte, fordi det er en nær sammenheng mellom den kompetansen vi setter inn, og det læringsutbyttet vi får. Den tredje strategien er samarbeid og samordning for bedre gjennomføring. gjennomføring. Det er fordi vi ønsker at den kompetansen som i dag er i Statped og PP-tjenesten, skal tettest på skolene og de enkelte barna som har utfordringene. Denne meldingen er den første på det spesialpedagogiske området som er lagt fram siden 1998, og som tar for seg hele opplæringsløpet. Det har skjedd store forandringer med hensyn til hvordan vi diskuterer barn og mennesker med spesielle behov. Vi bygde kraftig ut de statlige spesialskolene fra 1951. Så, fra 1969, da Blom-komiteen kom, ble det lagt opp til en størst mulig integrering av flest mulig i ordinære skoler. Fra 1987 fikk man rett til å gå på nærmiljøskolen, og av spesialskoler – da mange av dem vi nå diskuterer, ble omdannet til kompetansesentre – skjedde i 1992. Nå står vi altså med Midtlyng-utvalget. Det er gått 20 år. Vi trenger å diskutere hvordan dette støttesystemet skal bli bedre – fordi noen barn og unge vil ha behov for særskilt hjelp og støtte, fordi lokalt nivå vil ha behov for bistand og kompetanse som de selv ikke har, og fordi Statped har god spisskompetanse og skal bidra videre med det. Hva blir så det nye Statped? La meg først si at jeg er glad for at det er så bred enighet i komiteen om hovedgrepene i dette. Så er det to områder som man ikke har blitt helt enig om i dette Men la oss være klar over at det store bildet er det bred enighet om, og det er en styrke for alle de barna og ungdommene som i mange situasjoner føler seg særlig sårbare. Det er enighet om at vi skal lage et regionalt Statped. Det er uenighet om det skal være fire eller fem regioner. Det er to argumenter for at det skal være fire og ikke fem. Det ene er at vi har tett samarbeid med samarbeid med helsevesenet og med den strukturen som helseregionene er inndelt i. Det andre er at innenfor Helse Sør-Øst er det litt ulike kompetanser som gjorde det vanskelig å se for seg hvordan man på en hensiktsmessig måte skulle inndelt i enda en region. Men det vi altså har gjort, er å sørge for at det fins et kompetansesenter i Kristiansand. Jeg er veldig opptatt av at det er en del av den strukturen vi nå foreslår.

prestisjen til det arbeidet som dreier seg om at barn og ungdom skal ha hjelp underveis, ikke skal reduseres selv om en organisasjon er under utvikling. Det blir replikkordskifte.

utrygghet. Noe av det man vet at denne gruppen er avhengig av, er nettopp trygghet. I lys av det og i lys av at jeg opplever at statsråden og regjeringen har skapt utrygghet – vi er fundamentalt uenige om hvorvidt det får vi leve med – har jeg lyst til å utfordre statsråden på om hun mener at prosessen rundt døveskolene har vært ideell når det gjelder å skape trygghet for foreldrene og for de samme elevene. Det er mange som føler utrygghet når vi diskuterer Statped og spesialundervisning. Det er fordi manges erfaring har vært at for både aksept og hjelp til sine barn. Derfor har vi gjort en stor jobb med å diskutere med veldig mange grupper av brukere av Statped for å skape mest mulig trygghet rundt dette. Stort sett har vi lyktes ganske godt med det. Jeg tror alle har sett at her foreslås det grep som det i utgangspunktet er bred enighet om. Når det gjelder de statlige døveskolene: Det skal fortsette en statlig døveskole. A.C. Møller kompetansesenter i Trøndelag skal bestå som en statlig døveskole, der elever har mulighet til å ha opphold i et kompetansemiljø. Det er veldig viktig å understreke at det er en satsing for å sikre dette kompetansemiljøet når det gjelder f.eks. tegnspråk, som er avgjørende viktig. Det som var utfordringene i forhold til de andre statlige døveskolene, var at foreldrene i stor

Regjeringa vel no å halde på organiseringa etter regionsprinsippet, på same måte som ein har valt for helseregionane. Det vi veit, er at Helseregion Størst – Helse Sør-Øst – har hatt vesentleg større problem med organiseringa enn mange av dei andre helseregionane har hatt. Då vi var på Statped Vest, sa dei til komiteen at Statped Vest er meir enn stor nok for oss å handtere.

en rimelig fornuftig måte å organisere dette på. Det henger ikke minst sammen med at hvis vi skulle delt inn i en Helse Sør og en Helse Øst, ville det manglet en del av bredden når det gjelder kompetansen. Det er en faglig begrunnelse, og så er samarbeidet med og så er samarbeidet med helseregionene en annen begrunnelse. Så får vi selvfølgelig følge den diskusjonen i forhold til hvordan helseregionene nå kan utvikle seg videre. Jeg vil følge litt opp i det samme sporet. Det er jo to saker det dreier seg om som det er uenighet om i denne delen av denne saken. Nå sier statsråden at det ikke er noe prinsipp når det gjelder inndelingen av disse regionene, og at det er når det gjelder inndelingen av disse regionene, og at det er en helhetsvurdering. Det er jo litt underlig når så klare tilbakemeldinger ble gitt under høringer – uttalelser med stor bekymring for en så stor region som Sør-Øst blir. En samlet opposisjon har foreslått at en ikke gjør det nå, men statsråden og regjeringspartiene tviholder likevel på den løsningen som er foreslått. Jeg tror vi kan slå fast at inndelingen av helseregionene har vært mislykket og fungerer ikke. Da lurer jeg veldig på, fordi dette gjelder altså systemer som skal sikre god hjelp til barna våre: Hvilket kort er det statsråden har på hånden som trumfer alle de bekymringene som er kommet, slik at hun fortsatt står på den løsningen?
Det er riktig at det er en del høringsinstanser som har tatt opp dette spesielt og har hatt innvendinger til det. Men vi har hatt enormt mange høringsuttalelser til denne meldingen, og det er ikke sånn at et flertall – på langt nær – har hatt så sterke synspunkter rundt regioninndelingene som det som det Så er det jo mye som skiller Statped fra helseregionene. For eksempel: Nesten halvparten av den spisskompetansen som er, befinner seg i dag i Oslo-området. Det er en veldig sårbar kompetanse, som betyr at i et system som er såpass mye mindre enn de helseregionene vi diskuterer, vil det bli

blir stemplet som en region som har mangel på tilstrekkelig bredde. Det statsråden gjør her, og som mener jeg er en generalfeil, er å sammenligne Helse Sør og Helse Øst. Men hvis hun hadde sammenlignet Helse Sør og Helse Nord, Helse Sør og Helse Midt og sett på regionene og kompetansen fordelt rundt på disse, så ville dette kanskje sett noe annerledes ut. Hvordan forholder kompetansen seg i region Sør

Men jeg ville ikke vært så fryktelig fornærmet selv om jeg var fra Kristiansand. Det er avgjørende viktig kompetanse i dette området. Vi skal klare å samarbeide i en region som blir Statped Sørøst. Og vi har gjort en vurdering ut fra helheten i den opp også mot de viktige samarbeidspartnerne vi har i Statped. Det er bakgrunnen for at vi har gitt en balansert løsning, men der vi også synliggjør det regionkontoret vi skal ha i Kristiansand. Jeg har lyst til å spørre statsråden litt om kulturforståelse. Litt av poenget i mitt innlegg var å si at en må ha forståelse for at døvekultur og tegnspråkkultur er

Statssekretæren til ministeren spurte i et møte med foreldrene: Hva er det som er spesielt med disse barna, da – noe som jeg syns viser manglende forståelse for at det å tilhøre denne kulturgruppen, det å bruke dette språket som morsmål og det å ha dette handikapet faktisk er litt mer spesielt enn mange andre handikap man kan ha, fordi det også er et kulturfellesskap knyttet til tegnspråket. Deler statsråden statssekretærens uttalelse? Eller har hun forståelse for at det er

på dette. Det er mange som har vært urolige i forhold til denne diskusjonen. De har veldig ofte hatt veldig god grunn til det. Derfor har vi vært i dialog og gjort en så god forankringsjobb vi kunne gjøre, fordi vår intensjon er å styrke tilbudet. Vi har fått en god løsning på Hunstad, og nå regner jeg med at vi kan ta denne diskusjonen videre framover for forbedringer. Replikkordskiftet er dermed omme. De talere som heretter får ordet, har en taletid på inntil 3 minutter. Det var statsrådens svar til meg som gjorde at jeg hadde behov for å tegne meg. Å påstå at dette er

2,5 millioner mennesker skal sogne til ett regionsenter – et senter som skal være en støtte til kommuner, til fylkeskommuner, som skal jobbe på individ- og systemnivå, som skal sørge for tilstrekkelig god kompetanse for barn i denne regionen og for den støtten som Statped skal gi til lærere

at en statsråd ville kunne ha bidratt med når man har så tydelige meldinger. Så til den andre saken som det er uenighet om her. Jo mer jeg jobber med denne saken, jo mer ser jeg at kanskje den største utfordringen for døve barn i den vanlige skolen i dag er at de blir sosialt isolert. elever som har understreket hvor viktig dette heltidstilbudet har vært – ikke da de gikk i første klasse, kanskje ikke i andre eller tredje, men i fjerde klasse opplever de å bli isolert, og de har et behov for å kunne være på et heltidstilbud hvor andre snakker samme språk, hvor det ikke bare handler om å tilegne seg akkurat det som kommer fra læreren, men å være med på den samtalen og sosialiseringen som skjer underveis.

som driver veldig godt etter det jeg oppfatter, og som var veldig tydelig på at i tillegg til den kompetansen som skal tilbys i oppfølgingen, er det også et arbeid som skal organiseres. Statped skal være en pådriver, de skal sørge for at det organiseres godt, at det samarbeides godt, og det er en tidkrevende oppgave. Statped Vest sier at de har så stor region at de vil bruke mange år på å komme gjennom det arbeidet i sitt område. område. Da lurer jeg på hvordan statsråden ser for seg at det skal gjøres i den store regionen Sørøst, som altså er mange, mange, mange ganger så stor som det Statped Vest organiserer per i dag. Og som de sa: Det tar nesten for lang tid å komme gjennom hele vår region, som vi skal ta oss av, for det er ikke bare avdelingskontoret som skal løse dette, men også ledelsen i Statped Statped er involvert i et arbeid i regionen. Det kan jeg ikke se er ivaretatt i det hele tatt i noen av de kommentarene og de svarene som er kommet fra statsråden. Kompetansen er én ting. Den skal selvfølgelig bygges, og kan bygges, og er i stor grad til stede, men det er langt mer enn det som skal drives fra disse kontorene. Men jeg registrerer at det er ingen vilje, selv om det liksom ikke var noe prinsipp, til å gå med på

Derfor er jeg litt overrasket over at opposisjonen er så overbevist om hva som er en entydig, riktig løsning her, og da tenker jeg på dette med spesialskoler. Vi vet – nesten uavhengig av hva som er riktig eller ikke – at de fleste unger og foreldre i dag har valgt nærskolen. De ønsker at den skal videreutvikles, foredles, ved at vi får på plass en god PP-tjeneste og ikke minst et Statped-apparat som er sterkere, mer kompetent og nærmere på enn det har vært så langt. Litt da i den forbindelse: Størrelsen på regionene er interessant i seg sjøl rent administrativt, men størrelsen på en region sier jo ingenting om hvor raskt du klarer å få på plass en avtale og godt samarbeid med de kommuner som er innenfor regionen. Det er jo avhengig av hvor stort det faglige apparatet er som nettopp skal kommunisere med kommuner innenfor regionen. Vi kan ikke ut fra størrelsen på regionen nærmest slutte at dermed vil region Sørøst bruke to eller tre eller fire ganger så lang tid på å få på plass en slik avtale som de mindre regionene, de som har færre kommuner innenfor sin region. Men litt tilbake igjen til dette med spesialskoler. Det blir vi som tilhører posisjonen, nå mener at ungene gjennom hele året, hele tida, skal være i nærskolen sin og ikke skal ha noen muligheter til av og til å gå ut av nærskolen og møte elever med samme type handikap – eller nedsatt funksjonsevne – som seg sjøl. Det er jo ikke riktig. Det skal absolutt fortsatt være fleksible tilbud som på årsbasis blir deltidstilbud, men som i perioder kan av typen at du på heltid er sammen med dine, nettopp for å få den vekslingen mellom det som er hovedønsket for de aller, aller fleste rundt omkring i landet vårt, nemlig å være i nærskolen, men av og til kunne få – kall det gjerne – litt avslapping, litt avkobling, litt alternativ hverdag enn det du har i nærskolen. nærskolen. Jeg har all grunn til å tro at de mange gode fagfolk vi har på Statped-sentrene framover, nettopp vil – sammen med kommunene – finne fram til gode, fleksible løsninger på dette, som gjør at brukerne vil synes at vi får på plass et bedre tilbud enn det som er i dag. Først til den omorganiseringen som vi nå står foran. Det er

noen kommuner og noen barn som liksom må betale prisen for at vi får til et bedre system på sikt. Så skal jeg ikke polemisere noe mer i forhold til hvordan vi skal samarbeide i Helse Sør-Øst. Jeg er helt sikker på at vi kommer til å finne en god måte å samarbeide på i denne regionen også, til beste for brukerne, og at vi klarer å ta utgangspunkt i den kompetansen som er. Så til de hørselshemmede. Jeg må si jeg er litt over at man ønsker å holde et såpass høyt konfliktnivå i denne diskusjonen. Det det til syvende og sist dreier seg om, som representanten Hagen også var inne på, er at vi skal ha én statlig hørselsskole i Trondheim. Vi har diskutert fire hørselsskoler. De andre tre hørselsskolene er i Oslo, Holmestrand og Bergen. Bergen. I Oslo og Holmestrand har man altså fått til et godt samarbeid med en kommunal hørselsskole. I Holmestrand skulle samarbeidsskolen legges ned, og da har vi stått igjen med én problemstilling, og det har dreid seg om forholdet mellom den statlige og den kommunale hørselsskolen i Bergen. Bergen er en stor by. Bergen er en by med betydelig kompetanse. Det er klart at Bergen klarer å drive et godt tilbud for hørselshemmede når Oslo klarer det – himmel og hav – det er jeg helt overbevist om at kompetente bergensere klarer. Jeg er veldig glad for at vi gjennom denne prosessen har fått til en intensjonsavtale med Bergen kommune som skaper sikkerhet for dem som har vært brukere av Hunstad skole. Så er det jo ikke sånn at vi har sittet på et kontor og tegnet ny struktur når det gjelder hørselstilbudet. Det er sånn at foreldre velger andre tilbud til sine barn nå enn tidligere. tidligere. Derfor er det ca. 140 hørselshemmede elever som får særskilt tilrettelagte kommunale grunnskoletilbud, og det er ca. 230 hørselshemmede tegnspråklige som bor rundt omkring i hele landet, som bruker fire ukers tilbud i snitt for å få påfyll for å utvikle sitt språk. Så vil det være noen som likevel mener at de skal være på en statlig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

ressurs. Det er i denne sammenheng og med dette som bakteppe vi må se forslaget om digitale hjelpemidler i barnehagen. Forslagene vi har til behandling, omhandler først og fremst IKT som hjelpemiddel i tilknytning til informasjon og administrasjon i barnehagen og som verktøy i kontakt med hjemmet, og ikke nødvendigvis som hjelpemiddel som kan gi kvalitet i det pedagogiske arbeidet i barnehagen. Det er først og fremst foreldre–barnehage-kontakt forslagsstillerne har forslag om. Åpenbart er god informasjon mellom hjem og barnehage viktig. Det gir bedre barnehagevirksomhet. Det er viktig for foreldre, og det er viktig for barna. Derfor etablerte vi i fjor et foreldreutvalg for barnehager, FUB – som vi kaller det, som er en slags parallell til Foreldreutvalget for grunnopplæringen, FUG – og de har som oppgave å ivareta foreldrestemmen i de barnehagepolitiske sakene. Nettopp i denne sammenheng har de en viktig rolle i tilrettelegging for mer medvirkning og for informasjon mellom barnehage og foreldre.

viser nettopp at det som ønskes først og fremst, er opplæring i hvordan bruke data og digitale verktøy i opplæring av barna, i pedagogisk sammenheng. Hvis vi skal dra noen paralleller til skolen, brukes også IKT mye på en annen måte. Der brukes det både i Det er mye bra rundt det. Jeg mener vi skal huske på at det er en utfordring at kontakt med hjemmet krever at foreldre har kunnskap om IKT, at de har tilgang til datamaskin, og at de selv tar initiativ til å sjekke skolens nettsider osv. Det er viktig å ha med seg dersom man skal diskutere det som en parallell til barnehage. Så er det også viktig å huske at barnehagen har en egenart når vi snakker om det pedagogiske tilbudet. Helt sentralt i dette spørsmålet er det nyopprettede Senter for IKT i utdanningen. De har ansvar for å formidle, veilede og tilrettelegge for bruk av IKT for alle aktører i utdanningen, også i barnehagen, nå som barnehagen er en del av utdanningsløpet. De vil også ta fatt i problemstillinger rundt personvern, som en samlet komité er enig om er viktig.

som ligger til behandling i dag. Jeg har også lyst til å gi honnør til forslagsstillerne for å ta opp et viktig tema med tanke på å heve kvaliteten i barnehagene. Hele komiteen er enig i, nå når vi nesten har full barnehagedekning, at det er viktig at vi får på plass kvalitet i barnehagen.

gamle. Jeg har en liten nevø på to år som ikke har noen problemer med å få på musikk og tv på iPhone og han går nesten bort til tv-en og lurer på om det ikke er touchfunksjon på tv-en også. Så små barn suger til seg kunnskap, og det er lett å lære dem å bruke digitale verktøy, som det er utrolig viktig at vi klarer å få på plass i barnehagene. Så har vi også en utfordring når det gjelder å få på plass vanlig kvalitet i å få på plass vanlig kvalitet i barnehagen. Vi vet at vi har en utfordring med at vi mangler 4 000 førskolelærere i barnehagene, og det må ikke være slik når vi legger til mange nye retningslinjer med hensyn til IKT, at de ansatte i barnehagen skal bruke mesteparten av tiden sin til å kommunisere med foreldrene via digitale nettverk, slik at foreldrene skal ha kontakt og observere hva barna holder på med. Det som er viktig med IKT i barnehagene, er at det skal kunne forenkle hverdagen, at man får en kvalitetsheving. Men det er det skal kunne forenkle hverdagen, at man får en kvalitetsheving. Men det er likevel viktig at disse hjelpemidlene ikke går på bekostning av barna, at det går ut over den tiden som de ansatte skal bruke til å være sammen med barna. Det var et lite apropos til forslaget som Fremskrittspartiet støtter intensjonen i, men likevel savner vi en litt mer grundig redegjørelse for hva slags digitale hjelpemidler forslagsstillerne etterlyser i forslaget. For intensjonen i forslaget er god; det er mye der som er bra. Jeg håper at statsråden kan ta det med seg i det videre arbeid, slik at vi kan få mer bruk av IKT i barnehagen. Vi vet også at det kan være et økonomisk spørsmål.

Barnehagesektoren har i løpet av få år blitt en stor og viktig sektor i velferdssamfunnet. Om lag 270 000 barn og 85 000 ansatte har sitt daglige virke i barnehagen. Vi er gode på barnehager, men vi kan bli enda bedre. Høyre er utålmodig når det gjelder å videreutvikle innholdet i barnehagene. Vi er derfor skuffet over regjeringens defensive holdning i denne saken. Vi snakker om en sektor som omsetter for om lag 40 Det er en sektor som har mye rom for innovasjon og utvikling, og det er det Høyre ønsker å legge til rette for. Barnehagen utgjør en viktig del av oppveksten for barn i Norge. Mange barn tilbringer mange timer i barnehagen i løpet av en uke. Vi bruker store ressurser på barnehager, og derfor ser Høyre det som sin plikt å sørge for at vi forvalter pengene på en best mulig måte. Det viktigste når det gjelder debatten om barnehager, er å gi barna et best mulig tilbud. Bedre kvalitet i barnehagen handler om et bedre innhold, men også om å få til en bedre organisering av barnehagehverdagen. Disse tingene henger sammen, og forbedringer kommer barna, de ansatte og foreldrene til gode. God kvalitet på barnehagetilbudet handler om det pedagogiske innholdet i barnehagen, men også om å sikre god drift og gode interne rutiner for barna, foreldrene og de ansatte. De ansatte og deres tid sammen med barna er etter Høyres mening avgjørende for å få mer kvalitet i barnehagehverdagen. Frigjøring av tid fra administrasjon og organisering samt bedre rutiner vil gi de ansatte mer tid sammen med barna – og med det en bedre barnehagehverdag. Høyre er opptatt av å stimulere barnehagene til å ta i bruk nye virkemidler for å få dette til. Når vi vet at de aller fleste barnehagene er små enheter drevet på dugnad og med enkelte ildsjelers innsats, er det viktig å gi incentiver for å drive med utviklingsarbeid. utviklingsarbeid. Man trenger ikke å ha besøkt mange barnehager før man forstår at det tilbudet som gis til barna, avhenger av disse ildsjelene. Høyre hadde håpet på at Stortinget skulle være med å legge til rette for at det her skulle bli rom for utvikling. Innovasjon og utvikling i barnehagene handler om nyvinninger både i det pedagogiske opplegget og i selve organiseringen av driften. Formålet med all utvikling er bedre kvalitet på selve barnehagetilbudet til Økt bruk av ulike IKT-verktøy kan bidra til å forenkle driften samt bedre informasjonsplikten og dokumentasjonen mellom de ansatte og foreldrene. Flere barnehager gjør veldig mye på disse områdene allerede, men Høyre ønsker å sikre at disse systemene blir igangsatt og evaluert på en mer systematisk måte for å finne ut hva slags effekt de gir for driften og kvaliteten i den enkelte barnehage. Vi ser at mange barnehager gjør dette i dag, og det er gjerne de private. Det er gjerne de private som går foran med innovasjon og nyskaping, og derfor er Høyre bekymret for at de kommunale kanskje ikke henger like godt med. Derfor hadde vi håpet at flere partier på Stortinget kunne være med på å løfte også den kommunale barnehagesektoren på dette området. Et pilotprosjekt som Høyre foreslår i denne saken, vil gi alle de ulike barnehageaktørene mulighet til å prøve ut digitale hjelpemidler. Vi vil på den måten få kartlagt kvalitetseffektene av å ta dette i bruk. Høyre er opptatt av å ha kunnskap om hvordan politikken og systemene virker for å forbedre barnehagehverdagen. Høyre har også på andre områder etterspurt regjeringens

informasjonsflyten mellom barnehage og foresatte, at de forbedrer og forenkler rapporteringsrutiner samt bedrer oppfølgingen av det enkelte barn. Det bidrar til bedre kvalitetssikring av dokumentasjonen barnehagen har om barna, og det fører til bedre kommunikasjon internt i barnehagene mellom de ansatte og avdelingene. Spesielt vil Høyre trekke frem at dette betyr barn som har ulike sykdommer. De kan få en mye tryggere hverdag gjennom bruk av digitale hjelpemidler i dialogen mellom foreldre og barnehage. Det er særlig viktig at informasjon ikke kommer på avveie. Når man kommer inn i barnehagen i dag, er det slik at det henger mange gule lapper rundt omkring om medisiner og andre ting som skal huskes. Det kan man få kvalitetssikret gjennom et slikt system. Det er kun fantasien som setter begrensninger for å finne smarte løsninger som bedre kvaliteten

Det er foreldrene som har hovedansvaret for omsorg og oppdragelse av barna sine. Samtidig er det slik, som forrige taler sa, at mange barn tilbringer mange timer i barnehagen. Barnehagen er og skal være et godt pedagogisk tilbud til barna på dagtid. Men ikke desto mindre er det et behov for at vi stadig gjennomgår de nye mulighetene vi har – alle alternativer – både teknologi og andre virkemidler som kan styrke kvaliteten i barnehagetilbudet, og som også kan styrke informasjonen og kontakten med foreldrene,

kan være et veldig viktig verktøy i så måte. I dag er det, som andre har nevnt før, mye kommunikasjon mellom foreldrene og barnehagen som kunne ha vært gjort på en bedre og mer effektiv måte, og som kunne ha gitt bedre muligheter for barnehagen til å gi et godt tilbud til det enkelte Tar man bare noen søk på barnehager på Internett, vil man fort se at det er private barnehager som har kommet lengst i så måte, med hensyn til å tilby hjemmesider, informasjon osv. til foreldrene, noe som forenkler kontakten. Kristelig Folkeparti mener at det her er et potensial som det må jobbes videre med. Vi mener likevel – som flertallet – at dette ikke er et område der det er naturlig at Stortinget kommer med en så konkret bestilling. Det er et område det bør jobbes mer med. Samtidig er det åpenbart at det er store utfordringer knyttet til personvern. Der synes vi at forslagsstillerne har reist betimelige spørsmål, som statsråden i svarbrevet nok burde ha viet større oppmerksomhet og vist at man går videre med. Hvis ikke vil vi kunne oppleve i tiden framover at nettopp hensynet til personvern blir en barriere når det gjelder å ta i bruk digitale verktøy i barnehagen. Slik skal det jo for så vidt også være, men det må ikke bli en unødig barriere fordi man fra myndighetenes side ikke har har lagt til rette for at bruken av digitale verktøy kan skje på en forsvarlig måte. Dermed vil Kristelig Folkeparti stå sammen med flertallet i de to første forslagene, som vi da ikke vil støtte. Men det tredje forslaget fra forslagsstillerne står Kristelig Folkeparti bak, fordi vi synes det peker på viktige problemstillinger som barnehagesektoren trenger langt mer oppmerksomhet på i tiden framover.

i barnehagene, og hvordan det kan bidra positivt til utviklingen av barnehagene. Dette er et tema som Kunnskapsdepartementet og Fornyelsesdepartementet lenge har vært opptatt av. FAD har gitt støtte til en undersøkelse om digitale medier, som Nina Bølgan ved Høgskolen i Oslo har utført, «Barnehagens digitale tilstand. Nasjonal kartlegging av utstyr, tilgjengelighet og bruk av fra 2009. Undersøkelsen viser at nesten 80 pst. integrerer digitalt verktøy i barnehagens tradisjonelle aktiviteter, men at de også ønsker seg mer opplæring på området. Barnehagesektoren bør ha mulighet til å trekke veksler på informasjonsteknologi som kan lette arbeidet og heve kvaliteten i arbeidet. Dagens småbarn fødes inn i informasjonsalderen, med de fordeler og ulemper det medfører. Vi ønsker å motvirke sosiale digitale skiller og ruste barn og unge til å kunne manøvrere trygt i informasjonsjungelen. Jeg ser ikke for meg at IKT skal være noen omfattende del av barnas hverdag i barnehagen, men introduseres der det er naturlig og kan gi fordeler i det pedagogiske arbeidet. Kunnskapsdepartementet har fått utarbeidet et eget temahefte med råd til barnehagene om dette. Selv om det ikke er så tett knyttet til forslagene vi behandler, vil jeg også nevne at vi i stortingsmeldingen Kvalitet i barnehagen varslet en utvikling av et nasjonalt system for å følge med på utviklingen av kvaliteten i barnehagesektoren og opprettelse av en nettportal om og for barnehagene. Dette er blant de oppgavene som Utdanningsdirektoratet vil få i oppdrag løse når en del av oppgavene på barnehageområdet nå overføres dit. Jeg støtter intensjonene i det foreslaget som foreligger, men jeg synes det er fornuftig at vi går fram etter de planene vi nå har lagt, bl.a. gjennom å gi Senter for IKT i utdanningen i oppdrag å utvikle en plan for langsiktig kompetanseutvikling innenfor IKT i barnehagesektoren. En ny rammeplan for førskolelærerutdanningen er nå under arbeid. Digital kompetanse vil være en naturlig del av diskusjonene fram mot denne. Det er behov for mye ny forskning om barnehager, hva som gir god kvalitet i barnehagene, og om tilstanden i barnehagene. De store forskningsprogrammene som barnehagene nå inngår i, åpner for forskningsprosjekt som også inkluderer tema som IKT. Blant annet har det vært et prosjekt om Digitale objekts plass i barns sosiale og språklige danning i barnehagen, under programmet

til kvalitet. Jeg synes det hadde vært nyttig om Foreldreutvalget for barnehager kunne diskutere hvordan barnehagene kan få til en god kommunikasjon med foreldrene via digitale hjelpemidler. Jeg er sikker på at det nyopprettede Foreldreutvalget for barnehager vil ta tak i den ballen, og at FUG – altså Foreldreutvalget for grunnopplæringen – kan bidra med erfaringer fra skolen. En viktig forskjell her vil være at foreldre gjerne er i tettere kontakt med barnehagen,

nettsider. De har laget en egen veileder: «I beste mening … Et veiledningshefte om bilder av barn på nett». Heftet er gjort tilgjengelig for barnehagene på departementets hjemmesider. Jeg setter pris på at dette temaet blir tatt opp i Stortinget, og at man har fokus på det. Men vi har, som jeg akkurat har gått gjennom, allerede et omfattende arbeid i gang på dette området, og vi har en spredt innsats, men med en klar intensjon om at barnehagene kan nyttiggjøre seg IKT-leddet. Det blir replikkordskifte. Jeg er glad for at statsråden støtter intensjonen i forslaget fra Høyre. Høyre. Som jeg sa i innlegget mitt, når man går rundt i mange barnehager, henger det mange gule lapper rundt omkring, både med dolister, medisinering, og hvilket barn som skal være med hvilket barn hjem. I det perspektivet er ikke personvern og rettssikkerhet veldig godt ivaretatt. På det området tror jeg nettopp digitale verktøy rett og slett kan være med på å bedre barnas personvern. Hvem er det som skal ha hvilken informasjon? Ikke minst vet vi at i flere barnehager er det mange vikarer som kommer og går. Med hensyn til barn med spesielle behov, medisinering og slike ting er det informasjon som det er viktig å kvalitetssikre. I lys av dette lurer jeg på hvilke tanker statsråden gjør seg om hvordan vi skal sikre personvernet, både når det gjelder dagens system med informasjonsflyt, og også med de mange barnehagene som har begynt å utvikle digitale verktøy, når det gjelder informasjonsflyten mellom foreldre og de ansatte i barnehagen. Burde man se på hvordan man kan bedre personvernet? For det første tror jeg representanten Hofstad Helleland har et veldig viktig poeng når hun sier at systemet med muntlig informasjon, gule lapper og diverse andre måter å overbringe informasjon på ikke nødvendigvis sikrer et bedre personvern enn et godt

man utvikler bedre tjenester knyttet til IKT. Der har Datatilsynet allerede vært på banen med en veileder, som jeg vet er til nytte i barnehagene. Vi kan godt sørge for å forhøre oss bedre innen barnehagesektoren for å vite om det er behov for ytterligere bistand når det gjelder nettopp de spørsmålene. Replikkordskiftet er omme. Flere har heller ikke bedt om ordet til sak nr. 6. Etter ønske fra familie- og

ønske fra familie- og kulturkomiteen vil presidenten foreslå at taletiden begrenses til 40 minutter og fordeles med inntil 5 minutter til hvert parti og inntil 5 minutter til medlem av regjeringen. Presidenten vil videre foreslå at det gis anledning til replikkordskifte på inntil tre replikker med svar etter innlegg fra medlem av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

bør styrkjast. Derfor er eg glad for at statsråden så tydeleg anerkjenner utfordringane og viser til kva regjeringa har gjort og vil gjere vidare på det området. Slik eg ser det, er me einige i fleire av intensjonane i fleire av forslaga i saka. For Arbeidarpartiet og regjeringa er det ein grunnleggjande føresetnad for eit godt barnevern å ta vare på barns rettssikkerheit, påverknad og medverknad på ein god måte og i samsvar med barnets beste. Barnets beste er og skal vere det styrande prinsippet. Eit godt barnevern har eit stort mangfald av tiltak og tilbod, med høg kvalitet og god

Denne undersøkinga er viktig fordi ho gjev oss ein peikepinn på både kva som lykkast, og kvar utfordringane ligg. Brukarundersøkinga viser at dei fleste barn opplever at dei vaksne ynskjer at dei skal ha det bra, og hjelper dei. Men samtidig viser ho òg at barn i for liten grad blir høyrde, og at dei i for liten grad opplever at dei får delta i utarbeidinga av eigne planar. Dette tek me på alvor.

Å lytte til barna og til deira interesseorganisasjonar synest eg er svært viktig i vårt daglege politiske arbeid, og det er med på å styrkje oss som folkevalde. Alle under 18 år som er plasserte i fosterheimar, skal ha ein tilsynsførar. Me er alle bekymra over at det faktiske talet viser at ikkje alle har tilsynsførar. At 800 barn i 2010 ikkje hadde tilsynsførar, kan ikkje aksepterast. Det skal framhevast at Barne- og likestillingsdepartementet i desember 2010 presiserte overfor kommunane deira lovpålagde oppgåve med å oppnemne tilsynsførarar til barn i fosterheim. Det at dei òg har ein god dialog med KS om korleis dei kan forbetre rekrutteringa av tilsynsførarar, er kjempeviktig. Det er ein samla komité som ynskjer ei forbetring på dette området, på lik linje med det statsråden sjølv har uttrykt. Det er heilt klart at eit tilsyn i ein institusjon eller ein fosterheim der ungane ikkje er til stades, har liten verdi. Det er presisert i forskrift om tilsyn med barn i barnevernsinstitusjonar for omsorg og behandling at individtilsyn skal skje når barna oppheld seg på institusjonen. At det overordna faglege ansvaret for tilsyn med barnevernsinstitusjonar no er lagt til Statens helsetilsyn, meiner òg komiteen er ei styrking av denne ordninga. Nok eit godt grep gjort av regjeringa. Ei god klage- og tilsynsordning er svært viktig i barnevernet. Eg meiner det er bra at statsråden òg signaliserer at han vil vurdere nærmare om pasient- og brukaromboda bør gjevast ei rolle i barnevernet tilsvarande Helse- og sosialombodet i Oslo. Dette for å styrkje råd og rettleiing om rettar til barn og unge, foreldre, pårørande og fosterforeldre som er i kontakt med barnevernstenesta. Eg vil vise til at det er viktig for regjeringspartia

Til slutt: Når det gjeld omgrepsbruken i barnevernet, har me fått mange tilbakemeldingar frå barnevernsorganisasjonar og fleire om at omgrepa bør bli meir brukarvenlege. Dette er eg einig i, og eg ser fram til at barnevernspanelet, som er breitt samansett, vil kome med forslag til dette.

det. Jeg vil gi honnør til forslagsstillerne for dette forslaget, for det å styrke barns rettigheter og innflytelse i barnevernet er en utrolig viktig sak, og det er godt å se at det er en samlet komité som står bak flesteparten av de merknadene som ligger i saken. Det håper jeg at statsråden tar med seg. I går hadde deler av komiteen møte med medlemmer av den tyske familiekomiteen. De kom til Norge for å høre om Barnekonvensjonen og barns rettigheter. Det var et utrolig interessant møte. De var opptatt av barns rettigheter i norsk lovverk, og det er jo slik at Barnekonvensjonen har forrang i forhold til norsk lov. Barns barns rettigheter i norsk lovverk, og det er jo slik at Barnekonvensjonen har forrang i forhold til norsk lov. Barns rettigheter er nedfelt, og det skal om det som fylkesmannen i Troms har gjort med å sende ut brev til alle kommunene i Troms om Barnekonvensjonen og barns rettigheter, for å se om kommunen oppfyller barns rettigheter på den måten som de er lovpålagt å gjøre. Det bør alle fylkesmennene ta inn over seg og følge det som fylkesmannen i Troms har gjort. Så har vi hatt mange debatter i denne saken. saken. Jeg vil si det sånn at jeg tror ikke vi er uenige om at det er et problem, og jeg tror nok at både statsråden og alle partiene her ønsker å gjøre det beste for barna våre og de barna som trenger hjelp der ute i samfunnet. Men det er nok mer slik at opposisjonen er mer utålmodig enn regjeringspartiene.

regjeringen. De har bevilget mer penger til barnevernet, og de skal ha honnør for det. Det skulle bare mangle. Men med fire statsråder på seks år, har ikke denne regjeringen klart å produsere én sak til Stortinget om mer tiltak i barnevernet – uten gjennom budsjettet, ved å komme med mer penger. Så det er bra, men likevel er opposisjonen utålmodig når det gjelder å gjøre andre ting. For det er mulig å gjøre to ting på en gang. Det er mulig å lytte til barna og å gjøre små grep der ute, samtidig som man både har satt ned et barnevernspanel og hatt en utredning om hvordan organiseringen skal være. Fremskrittspartiet ber i hvert fall om at det blir gjort to ting på en gang – og at det må gå an å lytte til disse barna. Alle partiene her inne har hatt møter med barnevernsbarn, vi har hatt møter med Forandringsfabrikken og fått høre om sterke opplevelser fra ungdommer der ute som ber om å bli lyttet til, hørt. Etter forrige debatt gikk jeg opp på kontoret mitt, og der var det kommet et brev i posten der det sto: «Kom på besøk! Hvorfor var ikke barnevernet og besøkte fosterhjemmet for å se hvordan jeg hadde det? Jeg var jo bare alene, jeg hadde jo ikke telefon å ringe med. Jeg kunne jo ikke ringe til barnevernet for å si hvordan jeg hadde det. Jeg turde ikke si ifra, uansett. Jeg var ikke tøff nok, jeg ble og var et svakt barn. Ingen styrke til å redde meg selv.» Når alle barn har krav på en tilsynsfører, hvorfor skal det være så vanskelig å oppfylle den lovpålagte retten det er å ha tilsynsfører? Barna ber om å få en tilsynsfører som de kjenner, som de kan ha tillit til, og ikke en vilt fremmed person som kommer bare to, tre ganger i året – hvis de er så heldige å få ham et par ganger i året. Det er små ting som det er mulig å gjøre mens vi venter på den utredningen som skal komme i løpet av 2012. Så er det et par ting til, Så er det et par ting til, når det gjelder barnevernsrådgiverne som nå er kommet på Internett. Det er bekymringsfullt, og jeg håper statsråden tar det med seg, for vi kan ikke ha tilfeller der det viser seg at det popper opp flere nettrådgivere som skal råde barn til nesten å dra utenlands for å rømme vekk fra barnevernet. Her er det viktig at barnevernet spiller på lag med familiene

Særlig er det alvorlig at det her er snakk om barn som ikke har foreldre som taler deres sak. Det er særlig alvorlig at det her er snakk om barn hvor det er staten som har overtatt ansvaret, men som selv ikke greier å forholde seg til norsk lov. Det er derfor viktig at Stortinget setter dette på dagsordenen, og det er viktig at Stortinget diskuterer hvordan vi kan styrke barns rettssikkerhet. rettssikkerhet. Det er også bakgrunnen for at Høyre fremmer dette forslaget i påvente av at noe skal skje fra regjeringens side. I seks år har denne regjeringen snakket om å forbedre barnevernet. Man burde ærlig talt forvente mer. Man burde ærlig talt forvente flere politiske grep etter seks år i regjering enn kun prat og snakk om en fremtidig stortingsmelding. Det er ikke en fremtidig stortingsmelding de barna der ute som ikke får tilsynsfører, de barna der ute som ikke får oppfylt sine rettigheter, de barna der ute som ikke får oppfylt det de har krav på, etterlyser. De etterlyser handling. De etterlyser Vi møter oppegående barn og unge som ikke får ta del i viktige beslutninger omkring deres eget liv, f.eks. de barn og unge som bor på institusjon, og som skal ha en hovedkontakt blant de ansatte. Denne hovedkontakten er den personen som skal stå nærmest i deres liv, den som skal ivareta deres rettigheter, den som skal ivareta deres behov og deres Felles for de barna vi møter, er at mange har en god hovedkontakt og gode relasjoner til den kontakten, men det er også mange som ikke har det. Og det at barna ikke får muligheten til å være med og bestemme hvem som skal være deres hovedkontakt, er det mange som reagerer kraftig på. Det er mange barn i dag, vi snakker om ca. 800 barn ifølge oppdaterte tall, ikke har en tilsynsfører, enda dette storting har vedtatt at alle barn skal ha en tilsynsfører som skal ivareta deres rettigheter, og som skal komme hjem til disse barna for å høre om fosterforeldrene deres ivaretar deres behov og ivaretar deres interesser. At det er så mange hundre barn som ikke får oppfylt rettigheten, er umulig for oss å forstå. Og at regjeringen må sette ned utvalg og barnevernspanel for å få en endring på dette, er helt uforståelig. Når en tolvårig jente som i hele sitt liv har bodd i fosterhjem, må ringe til Stortinget for å fortelle at ingen lytter til henne når fosterforeldrene hennes ikke ivaretar det hun mener er hennes behov i hverdagen, når ikke tilsynsføreren lytter til henne, men sitter og drikker kaffe med fosterforeldrene, og hun altså må ringe til Stortinget for å få vite hva hun må gjøre, er det behov for å sette i gang tiltak. Når denne tolvårige jenta som hele sitt liv har bodd i barnevernets omsorg, kontakter sin saksbehandler – etter mye om og men – for å høre hvordan hun skal få kommet seg ut av en situasjon som hun opplever som svært vanskelig, får denne tolvåringen beskjed om å skrive et klagebrev til fylkesmannen. Dette mener Høyre vi er nødt til å gjøre noe med. Derfor foreslår vi en lavterskel klageordning som er laget på barns premisser, som kan gjøre at barn kan nå frem. Barns rettigheter, barns medbestemmelse og barns innflytelse over eget liv er vi nødt til på det sterkeste å ta på alvor. Derfor er det veldig trist at regjeringspartiene i dag stemmer

Barnevernsdebatten har av og til en tendens til å bli et spørsmål om du forsvarer barnevernet, eller om du tar avstand og kritiserer barnevernet. Vi får alle innspill fra mennesker som har ulike opplevelser knyttet til barnevernet, enten det er voksne, foreldre eller unger som er under barnevernet, eller det er fosterforeldre eller andre som har stilt opp for barnevernet på ulike vis. Når vi får den type innspill, og når vi møter den type kritikk, så er det vel lett enten å bestemme seg for at barnevernet har rett, og man forsvarer barnevernet, eller at kritikerne har rett og barnevernet har feil. Debatten er nok langt mer nyansert enn som så. Jeg tror det er viktig å erkjenne at barnevernet er et fag i utvikling og har vært det over lang tid. Sånn skal det også være. Barnevernet vil være et annet om ti år, om 20 år, basert på de erfaringene og de kunnskapene vi gjør oss i årene framover – og sånn skal det være. Den ydmykheten tror jeg det er viktig å ha i et så krevende område. Forslagsstillerne tar opp mange viktige forhold knyttet til et godt barnevern. Innflytelse for den enkelte unge er en hjørnestein i et godt barnevern. Retten til å bli hørt er lovfestet, men den er også avgjørende for å kunne gi den hjelpen som trengs. Ivaretakelse av de opprinnelige foreldrene, ofte biologiske foreldre, er et annet område som vi nok må si har vært forsømt i mange tilfeller av barnevernet. Det kan ha litt med holdninger og kultur i barnevernet å gjøre, men det har ikke minst med ressurssituasjonen i barnevernet å gjøre. Ikke desto mindre er det sånn at hvis vi lar være å gjøre den jobben, påfører det ofte barnevernet nye utfordringer og mer arbeid gjennom høyere konfliktnivå i årene framover etter at tiltak er iverksatt. Det gjør også situasjonen ofte verre for de ungene hjelpes. Mangel på tilsynsførere og for dårlig tilsyn er et annet område som berøres i innstillingen. Det er en utfordring å skaffe tilsynsfører til unger i beredskapshjem, som kanskje er der i kort tid, og til alle unger i fosterhjem. Men enten må vi skaffe tilsynsfører til alle ungene med dagens system, eller vi må rett og slett finne et annet system, som gjør det enklere å ha en beredskap, sånn at vi har tilsynsførere til unger stående klare når unger kommer i beredskapshjem og fosterhjem. Vi må altså ha en organisering som gjør det mulig å ha full dekning. dekning. Vi må aldri slutte å diskutere innholdet i barnevernet: rettighetene, innflytelsen og de forholdene som berøres, kunnskapen, kompetansen og alle de forholdene som berøres i forslaget. Likeså må vi ha en debatt om organisering av barnevernet, som statsråden og departementet har satt i gang. Det er varslet en melding om det. Det er prisverdig nok, men den tredje biten i dette puslespillet er at vi heller aldri kan la være å diskutere ressurssituasjonen i barnevernet. Kristelig Folkeparti har foreslått en opptrappingsplan for full barnevernsdekning. Det er prisverdig at statsråden og regjeringen vil legge fram en stortingsmelding om organiseringen, men det blir aldri skikk på barnevernet og situasjonen i barnevernet med mindre man tar ressurssituasjonen på alvor og kombinerer gjennomgangen og organiseringen med en gjennomgang av ressurssituasjonen og kommer med en opptrappingsplan for å sikre full

og ønsker før det tas avgjørelser om dem og for dem. «Brukermedvirkning» skal ikke være et pynteord i offentlige dokumenter. Det handler nemlig om demokrati i hverdagen, kombinert med godt faglig arbeid. Når man arbeider i et fag som dreier seg om mennesker, er det en absolutt forutsetning for å klare den jobben å høre på de menneskene det gjelder. Derfor må alle offentlige tjenester ha som mål å møte brukere ut fra deres egen kunnskap, ønsker og forståelse av egen situasjon. Det må selvfølgelig også gjelde barnevernet. Jeg var nylig på besøk på Familiens Hus i Øygarden utenfor Bergen. De er i sitt møte med brukerne – familier, barn – opptatt av at medvirkning skal skje hele veien. Her var det ikke bare samarbeid om familier og barn, men samarbeid med familier og barn. Det er viktige prinsipper som jeg mener må gjennomsyre tjenestene i utøvelsen av sine oppgaver. Spesielt viktig er det i møte med barnevernsbarn, som kanskje er de mest sårbare av alle brukerne av våre velferdstjenester. Derfor er det så viktig at barn har rett til god og tilpasset informasjon om sin situasjon, om sin bakgrunn, om sin framtid. Hvordan barna opplever tilbudet, er avgjørende for å kunne gi barna best mulig hjelp. Derfor har vi nylig gjennomført en brukerundersøkelse blant over 800 barn i barnevernsinstitusjoner og i statlige fosterhjem. Aldri før har så mange barn og unge evaluert tilbudet sitt. Det er jo i seg selv et tankekors. Men når vi nå for første gang har satt dette i gang, skal det også gjentas hvert år framover. Det betyr veldig mye for hvilket kunnskapsgrunnlag vi har om barns egne tanker om barnevernet. Resultatene fra undersøkelsen viser at de fleste opplever at de voksne hjelper dem og ønsker at de skal ha det bra. Men det pekes også på områder vi må bli bedre på. Det gjelder bl.a. barnas opplevelse av trygghet, og barnas opplevelse av å bli hørt og informert. Det er noe jeg tar på stort alvor, og som vi nå følger opp gjennom statlige barnevernsmyndigheter, som har ansvar for disse tiltakene. Så skal medvirkning også være en viktig del av barns rettssikkerhet. Derfor er det viktig at tilsynet kontrollerer om medvirkning. Jeg er veldig fornøyd med at Statens helsetilsyn i 2011 og 2012 skal gjennomføre et landsomfattende tilsyn, der et av temaene er om kommunene sikrer barns rett til medvirkning. Det skjer etter påtrykk fra oss, for det var en av de viktigste føringene vi la da Statens helsetilsyn tok over ansvaret for dette tilsynet. Alle barn som er fylt sju år, har krav på informasjon om sin egen barnevernssak. Det samme har yngre barn som forstår hva saken gjelder. Det innebærer at barn har en lovfestet rett, selv om de ikke har noen plikt, til selv å si sin mening. Selv om lovverket ivaretar barns formelle rett til medvirkning og innflytelse, har vi utfordringer knyttet til barnevernets praktisering av medvirkning fra både barn og familier. familier. Som Stortinget er kjent med, er det en av utfordringene som jeg har gitt til barnevernspanelet, for jeg er overbevist om at selv om vi har gjort en hel del på dette området, kan det gjøres mer. Et av de områdene som vi ser at vi har et særskilt ansvar for å løfte, er oppfølging av barn plassert i fosterhjem. Det at alle barn som er plassert i fosterhjem, skal ha en tilsynsfører, er et svært viktig mål for oss. Likevel viser tall fra kommunene at over 800 barn i 2010 ikke hadde tilsynsfører. Det er ikke holdbart. Det er kommunene som har ansvar for å rekruttere og oppnevne tilsynsførere. Men dette må følges bedre opp også fra vår side. Derfor har jeg satt ned en arbeidsgruppe på fosterhjemsområdet som bl.a. skal komme med forslag til hvordan vi kan styrke arbeidet både med rekruttering og med oppfølging av tilsynsførere.

turnus. Det var ikke det jeg hadde forventet å få spørsmål om, men det var faktisk det som ble tatt opp flere ganger. Det å ha voksne som bryr seg, det å ha få relasjoner, det å kunne ha de samme personene å forholde seg til over flere dager, kanskje en uke, var noe av det som disse barna framhevet. Noe av det som var viktigst av alt, var dersom en kunne få på plass skikkelige turnuser for dem som jobber på institusjonene. Da er mitt spørsmål til statsråden: Er dette noe som statsråden vil ta med seg i det videre arbeidet, følge opp de viktige turnusene? Alle vi som jobber med

fordi institusjonene hadde mistet kontrakter. Det viser jo at det som kanskje er litt teoretiske problemstillinger på den politiske dagsordenen, er svært konkret virkelighet for disse barna. Det betyr at diskusjoner om turnuser selvfølgelig er en viktig diskusjon. I det politiske ordskiftet blir det ofte spørsmål om hvilken rolle fagbevegelsen skal ha når det gjelder å godkjenne turnuser. Jeg tror vi i hovedsak er tjent med å ha det systemet vi har i dag. Vi ser at mange får lov til å utvikle alternative ordninger, at det fungerer bra, og at det ofte er det beste for barna. Når statsråden sier at det aldri har skjedd så mye i barnevernet som det som skjer nå, stiller jeg meg ganske Så vidt jeg husker, er det én sak vi har fått fra regjeringen, og den omhandler politiattester. Det er vel ikke bare fra opposisjonen i denne sal at regjeringen får kritikk for at det skjer særdeles lite på barnevernsfeltet, bortsett fra disse vurderingene og innspillene og panelene og utvalgene. Det er bra det, men det går an å gjøre to ting samtidig. Så et konkret spørsmål til statsråden. Jeg går ut fra at statsråden kjenner Berit Skauges nylig avlagte masteroppgave i Trondheim. Hennes hypotese, som leder av Barnevernsvakta gjennom 25 år, går på at barns stemme er blitt litt tydeligere, men ikke så veldig mye. Så får vi et nedslående resultat, som er svært bekymringsfullt. Hva sier statsråden til det?

det er mye alvor knyttet til den vanskelige situasjonen som deler av barnevernet er i. Jeg har sett på forskningen til Skauge, bl.a. etter at representanten Hofstad Helleland pekte på den i debatten vi hadde forrige uke, og det er resultater som er interessante, og som vi skal merke oss. Så er det samtidig annen forskning, som jeg også pekte som peker i motsatt retning. Men av og til er det jo sånn at flere ting kan være sant på en gang. Det jeg ser som interessant med Skauges forskning, er at hun bl.a. peker på at en del av de kvalitetskrav vi som politikere stiller, noen ganger kan gjøre at tiden til og rommet for medvirkning blir mindre. Det er et paradoks vi må ta med oss. Kristelig Folkeparti har foreslått en opptrappingsplan for full barnevernsdekning. Det innebærer bl.a. full dekning av tilsynsførere, som er

Statsråden har flere ganger vist til at det er praktiske problemer knyttet til det å ha full dekning av tilsynsførere, fordi man skal skaffe individuell tilsynsfører til hvert enkelt barn, og mange er i beredskapshjem i kort tid før Hvorfor kan man ikke bare finne andre måter å rekruttere tilsynsførere på? Hvorfor kan man ikke – siden arbeidsministeren er til stede – framskaffe restarbeidsevnen til en del modne folk som pensjonerer seg for tidlig, eller andre som faktisk kan stå i beredskap og fylle de funksjonene i hver kommune, slik at ungene kan ha profesjonelle tilsynsførere på deltid f.eks., som fyller de hullene i systemet? Det er jo bare snakk om å finne nye måter å løse problemet på. Det er nok sånn at noe av den manglende dekningen av tilsynsførere skyldes at det som regel tar litt tid før en tilsynsfører er på plass. Det kan det være naturlige grunner til, men det forklarer ikke den store mangelen på tilsynsførere som vi har i dag. Det må enten forklares med at jobben ikke har kunnet prioriteres høyt nok eller er blitt gjort godt nok i kommunene, eller at det ikke finnes nok folk. Jeg håper jo at det ikke er det siste, og tror heller ikke at det er det siste. Jeg håper at ressursløftet ute i kommunene vil gjøre at man får bedre mulighet til å prioritere dette. Det er helt åpenbart at hvis vi ikke nå ser en forbedring i dette, for dette haster, da må vi diskutere helt andre måter å gjøre det på. Nå er det mange som drøfter hvilke oppgaver i barnevernet som bør flyttes fra stat til kommune. Kanskje skal vi på noen områder også diskutere hvilke oppgaver kommunen ikke er i stand til å løse. Her er det dessverre sånn at tallene ikke gir grunn til altfor mye entusiasme. Replikkordskiftet er omme. De talere som heretter får ordet, har en taletid på

Det skal derfor veie tyngst i saker der det står i motsetning til andre sentrale prinsipper – som statsråden var inne på, at statens avgjørelser er viktigere enn barnet. For eksempel hvis barn og foreldre har interesser som går mot hverandre, er det hensynet til barnet som må være avgjørende. I utgangspunktet forutsetter Fremskrittspartiet at barn skal vokse opp med sine biologiske foreldre. Denne forutsetningen, det biologiske prinsipp, er grunnlaget for norsk og internasjonal lovregulering av forholdet mellom barn og foreldre. Barnevernsbarn sier: Barn vil bli sett og hørt! Vi vil bli sett og hørt! Og de tar opp tre–fire ting de vil bli sett og hørt på, som man ikke trenger seks års utredning eller fire statsråder for å få til. De tar opp at de godt kan se for seg andre yrkesgrupper i barnevernet. de godt kan se for seg andre yrkesgrupper i barnevernet. Som en jente sier: Det er veldig viktig at de viser omsorg, at de er der fordi de bryr seg – ikke bare fordi de er på jobb. Du må like folk veldig, veldig godt om du skal gjøre en god jobb i barnevernet. Det sier et barnevernsbarn. Og trenger man seks års utredning for å oppfylle de ønskene?

de skifter voksne hele tiden, er ikke bra for meg. Jeg vet ikke hva de tar hensyn til når de bestemmer det sånn. Nå skifter de hele tiden. Før var de i hvert fall her noen dager. Jeg ser ofte 20 voksne her i løpet av én dag. 20 voksne i løpet av en dag! Og dette skal barnevernsbarn I tillegg bør barn og unge slippe å flytte, slippe å dras opp med roten, slippe å dra bort fra nærmiljøet, få beholde vennene sine og få beholde skolen. Man skjønner at barn som har det vanskelig hjemme, ikke har godt av å flytte lengst mulig unna hjemmet. Disse enkle tingene, som regjeringen har brukt seks år på, kunne vært gjort på, kunne vært gjort på langt kortere tid. Det er uhyre viktig at vi har en god debatt om hva vi skal gjøre for de ungene som har det vanskeligst i dette samfunnet, men det er også uhyre viktig at vi har en nøktern debatt, at vi har en nøktern beskrivelse av hvordan situasjonen er for barnevernsbarna i Norge. Jeg må si, med respekt å melde, at jeg opplever ikke alltid at det er situasjonen i denne salen. For hvis vi begynner å se bak tallene, er det 40 pst. flere barn som får hjelp, og som blir sett av barnevernet i dag enn det var for bare ti år Det er ikke sånn at det har blitt så mange flere sosiale problemer i Norge i løpet av de siste ti årene, men vi har fått et bedre barnevern. Jeg synes egentlig det er ganske ille når det hele tiden framstilles som om de ansatte i barnevernet gjør en dårlig jobb. Det gjør de ikke. De gjør en bedre jobb enn de noen gang har gjort. Så blir det fra opposisjonens side harselert med at denne regjeringen ikke har gjort noe på dette området. Det er, med respekt å melde, bare tull. Man kan gå gjennom – og jeg har faktisk tatt meg tid til det nå mens jeg har sittet i salen – hva denne regjeringen har gjort på barnevernssiden siden man tok over. Man har kommet med endringer i barnevernsloven som gjelder saksbehandlingsregler for fylkesnemndene i barnevernssaker. Det er viktig for barns rettssikkerhet. Man har nedsatt en barnesakkyndig kommisjon som kvalitetssikrer alle sakkyndige rapporter. Man har kommet med endringer for å gi omsorg til enslige mindreårige asylsøkere under 15 år. Man har kommet med omfattende endringer i barnevernsloven i 2000, 2008 og 2009 som tydeliggjør og presiserer barns rettigheter i loven. Det er lovfestet å evaluere gjennomførte tiltak. Man kom også med omfattende endringer året etter, som bl.a. går på å presisere og tydeliggjøre hensynet til barns rettigheter lovfestet plikten til regelmessig å evaluere igangsatte tiltak. Man har innført strengere kriterier for tilbakeføring etter omsorgsovertakelse. Man har økt bruken av adopsjon – uten at dette er ytterligere regulert i loven. En lovfestet plikt for barnevernet til å gi tilbakemeldinger til melder er også innført. Det er lovfestet en plikt for barnevernstjenesten til å utarbeide individuelle planer. Jeg kan ramse opp enda flere tiltak. Denne regjeringen har fra dag én – siden den trådte inn i regjeringskontorene – jobbet systematisk med å sikre barns rettigheter innenfor barnevernet, og å sikre at barn i Norge får en trygg og god oppvekst. Gjennom budsjettene har vi de siste årene trappet opp kraftig, ikke minst i det kommunale barnevernet. Og én ting kan jeg garantere: Vi kommer til å fortsette med det.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

Forslagsstillerne bruker begrepet «gjeldsordning». Når vi bruker det juridiske begrepet «gjeldsordning» – enten den er frivillig eller tvungen – beskriver det utfallet av en rettslig prosess, altså hvor det offentlige er involvert. Slik vi kjenner CCCS gjennom forslaget, er det snakk om en intensjon om et gratis tilbud i privat regi, noe flertallet tar til etterretning, men vi registrerer at det forventes at det offentlige skal bidra økonomisk i en oppstartsfase. Komiteen er kjent med at det er en del vesentlige ulikheter mellom Norge og Storbritannia, hva gjelder både omfanget av fattigdomsproblematikk og det offentlige tjenestetilbudet knyttet til gjeldsrådgivning. Storbritannia har ikke et tilsvarende system som det norske gjeldsordningsinstituttet for mennesker i alvorlige økonomiske vanskeligheter, og det offentlige har heller ikke en selvstendig plikt til å gi økonomisk rådgivning, slik vi har her i Norge. Der er gjeldsrådgivning basert på stiftelser/organisasjoner og kommersielle aktører, som f.eks. CCCS. Flertallet i komiteen er kjent med at CCCS finansieres gjennom kreditorbidrag, ved at de har med en rekke kreditorer om at de betaler 10 pst. av inndrevet beløp til CCCS. Denne finansieringsformen innebærer at det er i CCCS' egen interesse at skyldnere betaler mest mulig av gjelden til disse kreditorene. Disse faktiske forholdene gjør at en – etter flertallets mening – ikke kan kopiere britiske ordninger til Norge uten å se på hvordan de passer inn i eksisterende og framtidige planlagte tilbud. Av den årsak mener flertallet i komiteen at det ikke er hensiktsmessig å overføre den britiske CCCS-modellen til Norge. Men det er ingenting i vårt lovverk som hindrer noen i å utarbeide en utenrettslig frivillig nedbetalingsløsning mellom skyldner og samtlige kreditorer, hvis det skulle være behov for det. Dagens gjeldsordningslov gir rom for frivillige gjeldsordningsavtaler. Det samme gjør norsk avtalerett. Spørsmålet blir da om det offentlige skal gå inn med økonomiske midler, slik forslagsstillerne her ber om, til et privat De som har alvorlige gjeldsproblemer i Norge, vil som oftest ha krav på offentlig gjeldsordning. Her må vi sørge for at de som har krav på det, får det innenfor et rimelig tidsaspekt. Her må det innrømmes at vi har noe å gå på, men vi er på vei. Flertallet vil i den forbindelse peke på noen områder hvor innsatsen mot gjeldsproblematikken kan settes inn på et tidlig tidspunkt. Gjeldsmegling er et begrep som kan brukes bredere enn gjeldsordning. Med gjeldsmegling kan man se for seg hjelp til selvhjelpsverktøy for gjeldsrådgivning, og forslag til avtaler og megling mellom skyldner og kreditorer. Både revidering av gjeldsordningsloven og utredning av et nasjonalt gjeldsregister er under behandling hos Barne- og likestillingsdepartementet. Begge arbeides fram mot mulige lovforslag til Også Nav har et nasjonalt lavterskeltilbud med gjeldstelefon – 800GJELD – som en henvisende instans til den kommunale rådgivningstjenesten. Det arbeides også med en nett- og telefonbasert løsning i Forbrukerrådet samt et verktøy for gjeldsmegling via telefonnummer 03737. Regjeringen tar gjeldsproblematikken på alvor. Utfordringene er sammensatte, og flertallet vil derfor prioritere bruk av offentlige midler til å styrke og videreutvikle de tilbudene som allerede finnes. Vi kan bare bli bedre på dette området. Jeg er skuffet over at regjeringspartiene ikke tar problematikken knyttet til mennesker med gjeldsproblemer tilstrekkelig alvorlig, sånn at de går inn for et vurderingsforslag. Vi snakker om et vurderingsforslag, og så står representantene her oppe og sier at de tar dette alvorlig. Det beviser at man ikke gjør det, når man ikke er villig til engang å vurdere det. Problemene det pekes på, er så alvorlige for de menneskene det gjelder, regjeringspartiene burde ha vært mer utålmodige etter å oppnå forbedringer – i det minste vurdere forslag til forbedringer. Nå avslører regjeringspartiene nok en gang at det er mye prat og lite handling. Fremskrittspartiet er opptatt av at mennesker som stiller seg i økonomisk gjeld, skal gjøre opp for seg, men mener at det er viktig at man har gode systemer, slik at dette oppgjøret kan skje på en smidig og god måte, til minst mulig skade for alle parter. Det vil samfunnet som helhet være tjent med, og det vil partene være tjent med. At gebyrer i forbindelse med gjeldsinndrivelse ligger langt høyere i Norge enn i andre skandinaviske land, burde føre til en større vilje til å gå dette etter i sømmene og se på mulighetene for fornuftige systemforbedringer, til fordel for både skyldnere og kreditorer – altså en ny vurdering, som regjeringen burde se på. Det er også hevdet at høyere innkassogebyrer virker preventivt, og at ordningen i Sverige med lave gebyrer svekker muligheten for å komme fram til en løsning med nedsettelse av gjeld. Det er kommet innspill om at mangel på informasjon kan bidra til Det er kommet innspill om at mangel på informasjon kan bidra til dårlige kredittvurderinger, noe som igjen øker risikoen for å skape flere mennesker med gjeldsproblemer – en vurdering. Det er også pekt på at det er enkelt å få tilgang til lån, uten muligheten for en god kredittvurdering i forkant, og at gjeldsproblemene for mange starter med at de finansierer langsiktige investeringer med kredittkort og forbrukslån, noe regjeringen også kunne sett på og vurdert. Sentralisering av namsmannens oppgaver er nevnt. En sentralisering kan svekke kjennskapet til lokale forhold, noe som kan være viktig i de vurderinger som gjøres. Dette bør også vurderes og ses på. På den andre siden er det hevdet at en sentralisering vil kunne styrke kompetansen innen gjeldsrådgivning, som i mange tilfeller er for dårlig i dag. En styrking av politiet bør vurderes. Det vil også kunne avhjelpe dette. Ønsker vi å gå den veien at namsmannen tar utlegg i skyldners bil, selv om transportmiddel er unntatt fra utlegg dersom å gå den veien at namsmannen tar utlegg i skyldners bil, selv om transportmiddel er unntatt fra utlegg dersom skyldner trenger dette til arbeid? Dette bør også vurderes. Det forutsettes ofte automatisk at skyldner kan benytte offentlig kommunikasjonsmiddel når man tar bilen fra en part. Alt dette er vurderingsforslag, det er innspill, det er ikke bare snakk. Det er konkrete forslag som regjeringen bør ta med seg i sin videre vurdering. her virker det som sagt som om det er mye snakk og lite handling. Det verste er at de som ønsker å gjøre opp for seg, gir tilbakemeldinger om at de har fått gjort avtaler med de private aktørene om en nedbetalingsordning. Men de har ikke fått gjort avtaler med staten og det offentlige. offentlige. Det bør også være med i vurderingen videre framover. Men jeg skjønner at det er noe regjeringen og de rød-grønne ikke ønsker. Jeg tar med dette opp forslaget i innstillingen. Representanten Ib Thomsen har tatt opp det forslaget han refererte til. Høyre er

Det offentlige bør ha som mål å sikre at det finnes rutiner og regelverk som ivaretar denne gruppen på en tilfredsstillende måte. Det er derfor et kontinuerlig behov for å fokusere på de viktige problemstillingene som forslagsstillerne påpeker. Det er vesentlig at forvaltningen opptrer sånn at mennesker i en vanskelig økonomisk situasjon får den nødvendige hjelp til å komme seg ut av uføret. Dette gjelder det offentliges opptreden som kreditor, hvor det kan synes som om rutiner og regelverk ikke alltid er tilpasset det vide spekteret av situasjoner som kan oppstå. Det er også viktig at Skatteetaten ivaretar rettssikkerheten til alle skattyterne, også de skattyterne som av forskjellige årsaker ikke selv er i stand til å ivareta egne interesser. Skattedirektoratets rapport om

Høyre mener det er viktig både å forebygge gjeldsproblemer og, ikke minst, å hjelpe personer som får problemer med å betale gjelden sin. Men det finnes i dag få steder mennesker som er i ferd med å komme opp i en gjeldskrise, kan henvende seg for å få hjelp. Halvparten av landets kommuner har ingen eller svært begrenset informasjon om offentlig gjeldsrådgivning på nettsidene sine, eller svarer på henvendelser per e-post fra Selv om vi har en offentlig gjeldsordning i Norge, er ikke denne ordningen god nok. Gjeldsordningen trer inn for sent i forhold til å avverge situasjoner der mennesker er på vei inn i et uføre. Det er derfor viktig å få på plass ordninger som er lavterskeltiltak, og som er tilgjengelige, slik at forbrukere som er på vei inn i en gjeldskrise, kan henvende seg for å få hurtig hjelp. Helt avslutningsvis vil jeg si at dette er et veldig godt forslag fra

Det var nemlig frivillig og ideelt engasjement som la grunnlaget for det velferdssamfunnet vi ser i dag. Det var Kirken som startet konfirmasjonsundervisningen og dermed begynte å lære folk å lese, som var forløperen til norsk skole. Det var Hans Nielsen Hauge som skapte en massebevegelse med vekt på individets frihet og ansvar, og som var premissgivende for industrialisering og mye av moderne utvikling i landet vårt. De første sykehusene ble opprettet av Kirken i Trondheim og Oslo for rundt 700 år siden. Arbeiderbevegelsen bidro til dannelse av velferdsstat og gode arbeidstakerrettigheter. Vi kunne nevne mange flere eksempler. På område etter område er det det frivillige ideelle engasjementet som har utviklet velferdstilbudene. Så har utviklet velferdstilbudene. Så har staten og kommunene kommet etterpå og etablert strukturene, og så har de da siden levd side om side. Vi har i de to foregående sakene diskutert barnehagesektoren og barnevernet – som begge er gode eksempler i så måte. I dag er vi i den situasjon at statlig byråkrati og styringsiver – og for så vidt også ensidig tro på bruk av markedsmekanismer og anbud – er i ferd med å ta knekken på det ideelle engasjementet vi har i Norge. Det vil i så fall gi oss en svakere velferdsstat, det vil gi oss et svakere velferdssamfunn, det vil gi oss et kaldere Norge, hvis den utviklingen får fortsette. Kristelig Folkeparti ser det som naturlig, hvis det er frivillige ideelle aktører som ønsker å ta del i arbeidet med å møte gjeldsofre og hjelpe dem til et bedre liv, å hilse dem hjertelig velkommen. Vi tror at det vil være utelukkende positivt også på dette området. Kristelig Folkeparti ser derfor veldig positivt på innholdet i forslaget og initiativet som har kommet fra Venstre på dette området. Forslaget som opposisjonen står bak, innebærer jo ikke noe mer enn at vi ber regjeringen «legge til rette for» ideelle aktører som innebærer jo ikke noe mer enn at vi ber regjeringen «legge til rette for» ideelle aktører som ønsker å bidra med rådgivningstilbud, f.eks. etter den britiske modellen som er nevnt. Det synes vi vi burde ha plass for – og ikke bare ha plass for, men vi burde faktisk se at som på alle andre områder i velferdssamfunnet vårt ville et frivillig ideelt engasjement være med på å styrke det tilbudet vi har. Det ville være med og styrke mangfoldet, kvaliteten, og det ville bidra til at flere nås gjennom at det kommer opp aktører som tenker annerledes, og som utvikler sine tilbud på en annen måte. Nå vedlegges jo forslaget protokollen, av flertallet. Jeg hadde jo håpet at man kunne støtte forslaget. Men jeg håper at det da innebærer at man faktisk vil vil ta inn over seg de positive intensjonene som ligger i forslaget som er fremmet av Venstre, og se hva man kan bidra med for å få også andre aktører på banen på dette området. Vi ser også igjen tendenser i denne saken til at man på en måte konstruerer en slags motsetning, fra de rød-grønnes side, mellom det å bruke ressurser på å utvikle gode offentlige tilbud det at ideelle og private aktører likevel kan bygge opp noe parallelt. Tvert imot: Det ville sannsynligvis ha styrket det totale velferdssamfunnet på dette området, og det håper jeg også at de rød-grønne vil følge opp. På dette området ser vi at det er mange mennesker som trenger hjelp – det er stadig flere mennesker som trenger hjelp – men vi er ikke bestandig i stand til å møte dem på riktig måte.

gjeldsproblemer. Jeg har sjøl sittet sammen med folk som har kommet ut av lang tids narkotikamisbruk, der det å sitte og forhandle med banker eller å sitte og forhandle med private gjeldsinnkrevere ikke er noe problem. Men å forklare at en narkoman som har bodd på gata i fire år, ikke har hatt fire lisenser gående Så det offentlige har mye å gjøre på dette området i forhold til private. Nettopp derfor har vi fremmet dette forslaget. Hele gjeldsproblematikken er delt mellom veldig mange departementer. Det tror jeg at det lider under. Forbrukerdelen ligger under Familiedepartementet. Veldig mye av det ligger under Justisdepartementet. Noe ligger under Arbeidsdepartementet, og noe ligger under Finansdepartementet. Finansdepartementet. Derfor er det alltid litt spenning i Venstre når vi fremmer dette forslaget, om hvilken komité det kommer til, og hvilken statsråd som vil svare på forslaget denne gangen – for vi har fremmet det flere ganger før. Kristelig Folkeparti hadde en god skole i hvordan vi har bygd fellesskapet i dette landet. Fellesskap bygger vi ofte i møte mellom det private og det offentlige. Problemet med hele dette feltet er at vi ser at det er private som prøver å tjene penger på andres gjeld, som nå er i ferd med å løse problemene for mange med store vi i Venstre. Vi ønsker at vi lager slike ordninger som dette, der private og offentlige kan gå sammen og lage gode ordninger som kan hjelpe folk. Dette er ikke en kommersiell ordning. Dette er snakk om en privat stiftelse, en stiftelse som man ikke kan ta penger ut av. Vi har sett at det har fungert mange andre steder. Statsråden skriver i sitt

hadde gode ordninger for folk som kom i Svaret var å opprette en telefon som, veldig riktig, her ble definert som en henvisningstelefon. Det er slik det oppfattes av dem som bruker den. Det å havne i store gjeldsproblemer, det å være den personen som har flere poser med vinduskonvolutter liggende under kjøkkenbordet, er noe som det ikke kan gjøres noe med ved en henvisningstelefon. Det må gjøres i møte mellom mennesker, med gode fagfolk som kan snakke med andre. Nesten ingen norske kommuner har en egen jurist. Det å tro at vi skal ha gode gjeldsordningssystemer når man ikke engang kan ha den slags fagkompetanse i kommunen, har jeg ikke noe tro på. Dette var et forsøk på å finne en ordning som kan hjelpe mange. Den har hjulpet mange. Det norske samfunnet, der de som har jobbet med denne problematikken står klare til å sette i gang, trenger bare et puff i ryggen, f.eks. ved en oppstartsbevilgning. Det som gjør meg mest oppgitt over behandlingen her i dag, er

å lage dette i Norge: Dette er ikke noe man har troa på. Dette er ikke noe flertallet kommer til å satse på. Dette er noe man ønsker å parkere så fort som overhodet mulig. Alle de som sto klare til å gjøre dette, og som bare ventet på et klapp på skulderen, får beskjed om at det bare er å pakke sammen og reise hjem, for dette er ikke noe man tror på for å løse problemene her. Det er kanskje det jeg er mest lei meg for i dag. Representantene tar opp et dagsaktuelt og svært viktig tema. Det er dag. Representantene tar opp et dagsaktuelt og svært viktig tema. Det er svært viktig for denne regjeringen å ha en god lavterskeltjeneste for økonomisk rådgivning. Lett tilgjengelig og god økonomisk rådgivning griper økonomiske problemer ved roten. Dette er en fordel både for den som har gjeld, for kreditorene og for samfunnet som helhet. Først vil jeg gi en viktig avklaring. Representantene Tenden og Skei Grande refererer til den britiske Consumer Credit Counselling Service som en utenomrettslig gjeldsordning. CCCS-ordningen er ikke en regulert utenomrettslig gjeldsordning, men en av flere frivillige stiftelser og organisasjoner i Storbritannia som gir råd og veiledning til personer med gjeldsproblemer. Kreditorfinansiering er dessuten et vesentlig element i CCCS-modellen. Jeg er enig med representantene i at gode gjeldsstøtteordninger er et område som skal prioriteres. Jeg registrerer likevel at vi har ulikt syn på hvordan dette best kan gjøres. Jeg ønsker derfor å være helt klar på at jeg, i likhet med komiteens flertall, ikke ønsker å prioritere statens midler til opprettelse av en slik privat tjeneste. Om noen skulle ønske det, med egne midler, er det likevel ikke noe hinder i norsk lovgivning for at organisasjoner som ønsker det, kan opprette denne typen tjenester i Norge. Slike tjenester finnes da også allerede, uten at jeg har noe grunnlag for å vurdere kvaliteten på disse. De private tjenestene kan også, som i Storbritannia, forhandle direkte med kreditorene hvis de får fullmakt fra den det gjelder. Kvaliteten på en slik tjeneste vil være helt avhengig av kompetansen til de ansatte – noe som vil ligge Dette er en risiko som jeg ikke er villig til å ta, og ikke vil prioritere bruk av offentlige midler til. I Norge er økonomisk rådgivning og gjeldsrådgivning en lovpålagt tjeneste som Nav-kontorene i alle kommuner plikter å tilby. To forhold er avgjørende for at tjenestene skal fungere. Tilbudet må være kjent, og hjelpen må være god. Bedre markedsføring av tilbudene er viktig. Jeg skal være den første til å vedgå at vi kan bli bedre på det punktet. Komiteens mindretall tar i innstillingen opp en rekke tilstøtende problemområder, som skatte- og avgiftskrav, det offentlige som kreditor, gebyrer og namsmannens utleggspraksis. Dette er viktige og interessante problemstillinger, men bør drøftes uavhengig av det foreliggende forslaget om offentlig støtte til et privat gjeldsrådgivningstiltak. Bildet av hvem som trenger gjeldsrådgivning, er svært sammensatt. Vi vet at personer på gjeldsordning ofte har psykiske eller somatiske helseproblemer. Personer med gjeldsproblemer trenger derfor – parallelt med hjelp til håndtering av gjeld og økonomi – også hjelp til å gjøre noe med de underliggende problemene, for på den måten å bedre sin livssituasjon og forebygge nye, alvorlige gjeldsproblemer. Her kreves det godt samarbeid mellom sosialtjenesten og hjemmetjenesten, og at hele det brede apparatet som Nav representerer, kan tas i bruk. Dette vil det ikke være mulig å ivareta i tilstrekkelig grad for en privat gjeldsrådgivningstjeneste. Jeg mener – i likhet med komiteens flertall – at det vil være bedre bruk av ressurser, og tryggere for publikum, å fortsette å styrke de offentlige tilbudene. Det åpnes for replikkordskifte. Vi vet at gjeldsproblematikk også er en av kan man si – grunnårsakene til fattigdom i Norge, og at folk som pådrar seg store utgifter og aldri blir kvitt dem, har en tendens til også å få andre sosiale problemer, til å bli sosialt marginalisert, miste bosted – i det hele tatt til å gå inn i det vi kan kalle nyfattigdommen i Norge. I Sverige har man et system hvor kronofogden – altså én instans alene – kan kreve inn lønnstrekk, også på vegne av private kreditorer. I Norge har man en av private kreditorer. I Norge har man en myriade av forskjellige instanser som kan kreve inn lønnstrekk, kreve inn sin del av gjelden. Utfordringen er at de ikke er godt nok koordinert. Det sier departementet, det sier organisasjonene, og det sier også andre instanser. Har statsråden vurdert å gjøre noe med dette problemet, slik at folk i hvert fall kan håndtere gjelden sin på en måte som gjør at de kan ha anstendige levevilkår ved siden av? Jeg tror vi er enige om at dette er et stort og sammensatt problem. Jeg forholder meg nå i første runde til dette konkrete forslaget, men jeg har også vært tydelig på at det er mange ting man tar opp her, som er viktige – også det spørsmålet som Røe Isaksen nå tar opp, om hvordan man koordinerer og gjør det enklere for folk å forholde seg til gjeldsinnkreving. Jeg har ikke noen selvstendig vurdering av dette nå. Det er egentlig ikke mitt departement som står for gjeldsinnkreving, men jeg skal ta dette med meg videre.

Men spørsmålet til statsråden etter å ha hørt hennes innlegg er mer generelt, for vi vet jo at ideelle institusjoner og ideelle aktører innenfor hele velferdssamfunnet vårt, nå driver og pakker sammen på område etter område, fordi man får for dårlige vilkår for å drive institusjonene sine. Hvordan ser statsråden på behovet for ideelle aktører i det norske velferdssamfunnet, og vil regjeringen ta på alvor den utviklingen vi nå ser – når disse er i ferd med å forsvinne?

og at jeg overhodet ikke er noen prinsipiell motstander av private aktører også innenfor gjeldsrådgivning. Derfor har jeg også påpekt at dette er noe som det er fritt fram å gjøre. Derfor mener jeg at det at dette trigger et spørsmål om hva man mener om private tjenester generelt, er et feilspor, for her dreier det seg om hvorvidt man ønsker å gi støtte til en ny privat ordning som vi ikke har i dag. Vi har andre private ordninger – de kan drive med det hvis de vil – men jeg er veldig tydelig på at nå er det riktig å prioritere økonomisk de kommunale tjenestene man har. Nei, det er Nei, det er ikke det statsråden gjør. I statsrådens brev til komiteen står det at det ville vært «tryggere for publikum» om det var det offentlige som gjorde det. Mener hun også en ideell stiftelse, bygd opp etter en modell der private bedrifter som har interesse av å få gode løsninger, er koblet med gode folk som vet hva dette er snakk om, i frivillig arbeid? Hva er det egentlig som er trusselen for publikum arbeid? Hva er det egentlig som er trusselen for publikum ved å finne slike typer ordninger i velferdsstaten
Dette handler faktisk om at vi vil det samme, men vi har litt ulikt syn på hvordan vi skal bruke offentlige midler til dette her og nå. I Norge har vi et system hvor man kan etablere seg privat og drive med gjeldsrådgivning – det er helt greit. Men så har kommunene en lovpålagt, utviklet plikt til å gjøre dette. Og vi har fått en gjeldstelefon. Jeg er uenig i den fremstillingen som blir gitt av representanten; den har fått gode score i det siste, bl.a. fra SIFO, og vi har etter hvert, gjennom interkommunalt samarbeid, fått stadig bedre gjeldsrådgivningsordninger. Så jeg mener ikke at man nå skal bruke penger – som ellers bør kanaliseres inn i disse tilbudene på å lage nye private ordninger, som representanten synes å forutsette vil få alle disse juristene, og disse gode fagfolkene. Det legges inn veldig mange gode, nødvendig føringer for hvordan dette vil fungere. Jeg er usikker på om det vil være på den måten, og jeg vil bygge videre på det vi nå har, som vi vet virker. Dette er prøvd ut i praksis i andre land, så vi vet hvordan det fungerer der. Jeg ser ingen av de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

tidligere år som det tradisjonelle trygdeoppgjøret. Slik sett er det første gangen vi behandler reguleringen av grunnbeløpet i folketrygden som en budsjettjusteringssak. Det er nettopp fordi man gjennom den nye pensjonsreformen, gjennom de nye bestemmelsene, har valgt å gi departementet myndighet gjennom forskrift til å fastsette reguleringene. Flertallet foreslår en økning i grunnbeløpet på 4,73 pst., som betyr at grunnbeløpet økes fra 75 641 kr til 79 216 kr. Det betyr at samtlige trygdemottakere får en inntektsøkning på 4,73 pst. bortsett fra én gruppe. Den gruppen er alderspensjonister som får utbetalt pensjon, som får en gruppe. Den gruppen er alderspensjonister som får utbetalt pensjon, som får en inntektsøkning på 3,94 pst. fra 1. mai 2011, altså i år. Grunnen til at det har blitt slik, er at flertallet i denne sal har valgt å innføre et pensjonssystem der reguleringene for alderspensjon skal nedjusteres med 0,75 pst. Realiteten i justeringen er ikke 0,75 pst., men 0,79 pst. Slik blir det når man har latt Finansdepartementet få frie tøyler til å utforme formen for beregningen, som gjør at man fra regjeringens side faktisk kan foreta en enda større kjøpekraftsreduksjon enn det som opprinnelig er vedtatt i Stortinget. Fremskrittspartiet var det eneste partiet som var imot det nye pensjonssystemet. Fremskrittspartiet er fortsatt det eneste partiet i Stortinget som er imot de nye reguleringsprinsippene. Og Fremskrittspartiet – registrerer jeg – er også det eneste partiet som i denne salen, også i dag, foreslår at alderspensjonistene skal få samme kjøpekraftsutvikling som at alderspensjonistene skal få samme kjøpekraftsutvikling som alle de andre som mottar trygdeordninger. Det betyr, med det nye pensjonssystemet, at det Fremskrittspartiet tidligere har omtalt som det store pensjonsranet, for første året nå er i gang. Startskuddet for det har gått. Det betyr at norske alderspensjonister i år får redusert sin kjøpekraft med omlag 655 mill. kr. Det betyr at de som har stått på gjennom et langt liv, vært med og bygd opp velferdssamfunnet, betalt inn til sine pensjonsordninger, skal få justert ned kjøpekraften sin med over 650 Det kan ikke betraktes som noe annet enn et statlig tyveri – jeg vil si det så kraftig – og jeg stiller meg spørsmål om hvorfor en gruppe skal få dårligere kjøpekraftsutvikling enn alle de andre gruppene. For meg er det fullstendig uforståelig, jeg skjønner ikke logikken i det. Det må bety at Fremskrittspartiet har fått rett i det man har sagt under hele debatten knyttet til det nye pensjonssystemet: Det er innført ene og alene som en gedigen sparereform, for å spare fremtidige utgifter, som betyr at pensjonistene får dårligere pensjoner og dårligere utbetalinger i fremtiden. Det synes Fremskrittspartiet er uriktig, og vi vil fortsatt kjempe for å bedre kjøpekraften til landets pensjonister. Derfor anbefaler jeg for det første komiteens innstilling, dernest vil jeg ta opp Fremskrittspartiets mindretallsforslag, som er gjengitt i innstillingen. Representanten Robert Eriksson har tatt opp de forslag han refererte til. til. I den løpende debatten om pensjonsreformen har pensjonistenes kjøpekraftsutvikling vært gjenstand Første gang pensjonen nå reguleres etter nye prinsipper, konstaterer jeg kort at grunnbeløpet øker med 4,73 pst. Opptjeningen av alderspensjonen reguleres med tilsvarende prosentsats, mens løpende alderspensjon fra folketrygden reguleres noe lavere, etter forutsetningen i De siste årene har gjennomsnittlig pensjon økt mer enn det grunnbeløpet og økningen i særtillegget og grunnpensjonen for ektepar og samboere skulle tilsi. Årsaken er selvfølgelig at pensjonistene i økende grad tjener opp tilleggspensjon. Pensjonistenes kjøpekraftsutvikling har dermed holdt tritt med utviklingen i lønnsinntektene og vel så det. Årets pensjonsregulering er ikke noe brudd med den utviklingen, til tross for den forutsatte underreguleringen av pensjonene med 0,75 pst. Minstepensjonen har hatt en særlig sterk realvekst fordi særtillegget er trappet opp gjennom årene. Jeg mener pensjonistene har grunn til å si seg godt fornøyd med denne Så noen kommentarer til skatteomleggingen for pensjonister – en omlegging som skapte reaksjoner da budsjettet for inneværende år ble lagt fram. Rett nok ble omleggingen noe modifisert under behandlingen i Stortinget, uten at det endret den fordelingspolitiske innretningen på den omleggingen som fant sted, og som altså ga økt eller uendret kjøpekraft for pensjonister med inntekter opp mot 350 000 kr. Pensjonister med inntekter over 350 000 kr har derimot fått en viss skatteskjerpelse. Endringene gir en brutto skattelette på 3,2 mrd. kr til om lag 70 pst. av AFP- og alderspensjonistene. Samlet sett gir framlegget etter Stortingets behandling en skattelette for på 1,75 mrd. kr netto i 2011. På dette punktet er de tallene som flertallspartiene har brukt i innstillingen, noe undervurdert. Poenget er imidlertid at skatteomleggingen også gir en betydelig kjøpekraftsforbedring for storparten Jeg merker meg at Fremskrittspartiet, altså det eneste partiet som står utenfor pensjonsforliket, er lite fornøyd med pensjonistorganisasjonene, som etter deres mening er relativt småforlangende. Rett nok konstaterer også Fremskrittspartiet at reguleringen av grunnbeløpet for 2011 er i tråd med lønnsutviklingen, men de aksepterer ikke at løpende pensjoner skal ha svakere inntektsutvikling Nå har pensjonsutviklingen påviselig holdt tritt med lønnsutviklingen de siste årene, men det spiller selvfølgelig ingen rolle så lenge Fremskrittspartiet selv oppebærer forestillingen om det motsatte. Derimot er det direkte feil når partiet påstår at en «kronisk» årlig underregulering – og jeg antar det er partiets medisinske vil føre til stadig dårligere kjøpekraft for pensjonistene. Nå kunne det være fristende å bore nærmere i partiets forståelse av pensjonistenes kjøpekraftsutvikling. Men bortsett fra at Fremskrittspartiet av åpenbare grunner forsøker å skape inntrykk av at alle andre partier vil berøve pensjonistene opparbeidede pensjonsrettigheter, har det liten betydning hva dette partiet sier og gjør. Pensjonsforliket gir pensjonsreformen politisk bærekraft. Selv ikke et regjeringsskifte der Fremskrittspartiet mot formodning skulle komme i regjering etter valget i 2013, vil kunne endre på det. Derimot vil partiet kunne forvolde annen skade på det norske velferdssamfunnet, og det får vi rikelig anledning til å komme tilbake til

stortingsvedtak om tilleggsbevilgninger som følge av reguleringen av grunnbeløpet og pensjoner i folketrygden fra 1. mai 2011. Reguleringen berører alle som lever av ytelser fra folketrygden og de offentlige tjenestepensjonsordningene. Årets regulering gir pensjonistene en merkbar økning i pensjonene, og sikrer dem dermed en god inntektsutvikling og fortsatt økning i kjøpekraften også i 2011. Reguleringen av grunnbeløpet og pensjonene fra 1. mai i år er den første reguleringen som gjennomføres etter det nye opplegget som er innført gjennom pensjonsreformen. De nye prinsippene for reguleringen av grunnbeløpet og pensjonene framgår nå av loven og forskrifter. Nytt grunnbeløp, reguleringsfaktorer og satser for minste pensjonsnivå i folketrygden fra 1. mai 2011 er fastsatt ved kgl. resolusjon av 27. mai 2011. Ved årets regulering er det lagt til grunn en forventet lønnsvekst i 2011 på 3,9 pst., i tråd med anslaget i revidert nasjonalbudsjett. Det er også tatt hensyn til at det var et avvik mellom forventet og faktisk lønnsvekst i fjor på 0,5 prosentpoeng. Grunnbeløpet er fastsatt til 79 216 kr, dvs. en økning på Uførepensjonister og andre som får sine ytelser regulert gjennom grunnbeløpet, får dermed fra samme dato en inntektsøkning på 4,73 pst. I tråd med de nye reguleringsbestemmelsene skal alderspensjoner først reguleres med 4,73 pst., og fra denne summen fratrekkes 0,75 pst. Det betyr at alderspensjonister får økt pensjonen med 3,94 pst. fra 1. mai. Satsene for minste pensjonsnivå skal økes med lønnsveksten og deretter justeres for utviklingen i levealder for 67-åringer. I år betyr denne justeringen et fratrekk på ca. 0,5 pst., slik at satsene øker med Alderspensjonister med de laveste pensjonene får dermed noe større økning i sin pensjon enn alderspensjonister for øvrig. Minste pensjonsnivå høyeste sats, som gjelder for enslige pensjonister, utgjør 157 639 kr fra 1. mai. Reguleringen har også betydning for alderspensjon under opptjening, som øker med 4,73 pst. fra 1. mai 2011. Reguleringen er drøftet i møter med pensjonistenes, de funksjonshemmedes og arbeidstakernes organisasjoner. Gjennom gode samtaler har vi skapt en konstruktiv prosess og en felles forståelse for tallgrunnlaget for årets regulering. I denne dialogen har jeg også signalisert at jeg ønsker å gjennomgå utformingen av de avtalene som ligger til grunn for møtene mellom regjeringen og organisasjonene om pensjonsregulering og andre saker av betydning for pensjonistene. Årsaken til dette er at avtalene er inngått for mange år siden. Jeg vil avslutningsvis uttrykke tilfredshet med at komiteens flertall støtter regjeringens forslag til vedtak. Det blir replikkordskifte. Hvis vi tar utgangspunkt i to personer og den ene er 67 år, har alderspensjon, en utbetalt pensjon på 166 000, og den andre er

har uføretrygd – 60-åringen – få en bedre kjøpekraftsutvikling enn den på 67 år som har alderspensjon. Jeg er enig i at det er viktig at de med lave inntekter får en god kjøpekraftsutvikling. Mitt spørsmål til statsråden blir da: Hvorfor er det mer riktig å la den 60-åringen få en bedre kjøpekraftsutvikling enn 67-åringen? Har ikke de behov for samme beskyttelse, samme

Det er en konsekvens av et forlik i Stortinget, og det gjør altså at de som blir alderspensjonister, får den reguleringen. Det er utgangspunktet for det svaret. Så er poenget, som jeg også viste til gjennom mitt innlegg, at alle vil få en veldig god økning i sin pensjon og derav en god vekst i sin pensjon. Men vi har altså for alderspensjonister, gjennom pensjonsforliket i Stortinget, en noe mindre økning enn man ville hatt ellers, nettopp for å sikre et bærekraftig pensjonssystem.
Jeg synes det blir litt håpløst når statsråden skylder på at det er inngått et pensjonsforlik i Stortinget, for det var den regjeringen hun representerer, som la frem de forslagene for Stortinget. Så jeg regner med at det er regjeringens politikk også som gjorde at de opprinnelig foreslo et fratrekk på 0,75 pst. – at regjeringen står bak det, og at det ikke er sånn som hun prøver å fremstille det, at det er Stortinget som nærmest har tvunget regjeringen til å innta det standpunktet, for det er ikke riktig. Da blir mitt enkle spørsmål: Betyr det at grunnen til at man har valgt den måten å regulere alderspensjonen på, er at man ønsker å spare fremtidige utgifter, at det er norske pensjonister man skal spare fremtidige utgifter
Da har jeg uttrykt meg veldig feil. Jeg er nettopp veldig stolt av det pensjonssystemet. Jeg er stolt på vegne av det partiet jeg representerer, og den regjeringen jeg representerer, men også stolt på vegne av Stortinget, som har klart å bli enig om en pensjonsordning som vil sikre en vekst og et godt pensjonssystem for befolkningen i fremtiden, noe jeg registrerer at Fremskrittspartiet ikke er opptatt av på samme måte. Det er viktig for meg at jeg får sjansen til å påpeke at dette var ikke et forsøk på å frita meg selv for ansvaret for pensjonsreformen, men tvert imot et ønske om å understreke en stolthet av at vi faktisk har fått til dette. Dette er første året vi ser hvordan dette ser ut, og vi ser at det dreier seg om en fortsatt god vekst for alle pensjonistene. Vil representanten forsøke seg en gang til? Vær så god. Takk for det, president. Jeg har lyst til å stille samme spørsmål på nytt, for statsråden svarer ikke på det. Spørsmålet var ganske enkelt: Betyr det at statsråden

kjøpekraft for pensjonistene, og en god vekst i den, og det ligger inne i dette systemet. Vi snakker bare om en noe lavere kjøpekraftsvekst enn man ville hatt hvis man ikke hadde sikret framtidens pensjonssystem som vi gjør. Hvis representanten synes han kommer noen vei, så vær så god.

for å kunne ha et bærekraftig pensjonssystem i fremtiden? Er det det som ligger til grunn for regjeringens innføring av denne reguleringen? Representanten spør, og jeg svarer. Jeg svarer at vi er opptatt av å ha et godt pensjonssystem som vi vet vil stå seg for framtiden, ikke et pensjonssystem som vi ikke vet om vil stå seg i en tid da folk lever lenger vet om vil stå seg i en tid da folk lever lenger – i tillegg representerer man et parti som plusser på over en lav sko på veldig mange andre områder. Vi vil ha et balansert system som sørger for at det også er penger til gode velferdsgoder til eldre når de blir eldre, har en helhetlig bærekraftig pensjonspolitikk som veldig, veldig mange land i verden misunner oss at vi har klart å få til nettopp gjennom et forlik i Stortinget, og som altså, som det har vært konstatert tidligere her, Fremskrittspartiet ikke er en del av, og som det blir veldig tydelig for meg nå at Fremskrittspartiet definitivt ikke ønsker å være en del av. Replikkordskiftet er omme. De talerne som heretter får ordet, har en

Man er altså helt avhengig av å redusere folks pensjoner i fremtiden. Det har ikke statsråden benektet. Hun har prøvd alle andre mulige måter å omgå dette spørsmålet på, og jeg oppfatter det – og vil si det fra denne talerstolen – som et klart svar på mitt spørsmål til statsråden, at svaret er ja, og det kan ikke tolkes på noen annen måte. Da registrerer jeg bare at statsråden er uenig med bl.a. sjeføkonom Steinar Juel i Nordea Markets som har sagt ganske klart og tydelig og gjort beregninger på at det er ingen som helst grunn til å innføre det nye pensjonssystemet ut fra et bærekraftperspektiv – det er unødvendig. Man har muligheten til å beholde dagens reguleringer, dagens system, uten problemer i et bærekraftperspektiv i lang tid fremover, nettopp fordi det som var grunnlaget for pensjonsreformen og bærekraftberegningen, var 25 dollar fatet olje. Vi vet at oljeprisen siden 1999 har blitt langt høyere, og Vi vet at oljeprisen siden 1999 har blitt langt høyere, og at det pensjonsgapet allerede er hentet inn. Jeg er klar over at den utredningen ble gjort i 2001, men jeg forholder meg til at statsråden ikke er interessert i å se på disse faktagrunnlagene. Så var det et klart spørsmål om hvordan vi ser på kjøpekraftsutviklingen, som var et spørsmål fra representanten Gullvåg. Fremskrittspartiet har en veldig grei oppfatning av det: Vi mener at 3,94 pst. er lavere enn 4,73 En person som får 4,73 pst. i kjøpekraftsutvikling, vil ha større kjøpekraftsutvikling enn en person som har 3,94 pst. Så enkelt er det regnestykket, og så enkelt er den inngangen til den problematikken. Flere har ikke bedt om ordet til sak nr. 9. Ingen har bedt om ordet. Ingen har bedt om

det

Statsråd

andrespråk – så god

Det er alltid hyggelig å være flere! Da tar vi voteringen en gang til.

mai. Det foreligger ingen forslag til anmerkning. Stortingets lovvedtak er dermed bifalt ved andre gangs behandling og blir å sende Kongen i overensstemmelse med Grunnloven. Det foreligger ingen forslag til anmerkning. Stortingets lovvedtak er dermed bifalt ved andre gangs behandling og blir å sende Kongen i overensstemmelse med

ved andre gangs behandling og blir å sende Kongen i overensstemmelse med Grunnloven. Det foreligger ingen forslag til anmerkning. Stortingets lovvedtak er dermed bifalt ved andre gangs behandling og blir å sende Kongen i overensstemmelse med Grunnloven. Det foreligger ingen forslag til anmerkning. Stortingets lovvedtak er dermed